men heldigvis er denne situasjonen geografisk nyansert. Kystlinjen på Sør-Vestlandet og nordover mot Kristiansund merker de negative konsekvensene best. Andre deler av landet opplever imidlertid økende sysselsetting og høyere aktivitet. Blant annet har lav kronekurs og et moderat lønnsoppgjør styrket konkurranseposisjonen til mange typer eksportrettet industri.

som gjør at en kan betjene huslånet og sørge for seg selv og sin familie. Vi trenger å tilrettelegge for at det skapes mange nye jobber fremover. Vi trenger å skape disse innenfor en klimavennlig ramme, det berømmelige grønne skiftet, som det snakkes mye om. Vi trenger å skape nye jobber til de mange flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge. Jobb er en viktig integreringsfaktor og bidrar til å bygge velferdssamfunnet. Og vi trenger å skape nye jobber til alle dem som nå har mistet jobben og står utenfor arbeidslivet. Derfor har overskriften på statsbudsjettet fra regjeringen og fra Høyre vært et budsjett for arbeid, for aktivitet og for omstilling. Dette bærer også skatte- og avgiftsdelen av statsbudsjettet for 2016 preg av. Jeg legger til grunn at de ulike partiene selv vil redegjøre for sine egne skatte- og avgiftsopplegg. For Høyre er det viktig å arbeide for et lavere skatte- og avgiftsnivå for å stimulere til arbeid, sparing og investering. Høyre ønsker at det skal skapes mer, ikke skattes mer. Vi ønsker å stimulere frem nye arbeidsplasser og trygge eksisterende arbeidsplasser, slik at alle skal kunne ha en jobb å gå til. I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står det at vi i fellesskap

knyttet til å finansiere velferdsgoder på en mest mulig effektiv måte, oppnå en mer effektiv ressursutnyttelse, sikre sosial mobilitet og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Regjeringen og Høyre har som mål å skape et mer vekstfremmende skattesystem og en innretning som stimulerer til mer miljøvennlig adferd. I bunn må det ligge insentiver som gjør det mer attraktivt å jobbe, spare og investere.

Dette er et viktig grep for å bringe selskapsskatten i Norge ned mot et nivå tilsvarende våre naboland og våre nærmeste konkurrenter. Jeg er glad for at det er en samlet finanskomité som stiller seg bak at selskapsskatten reduseres til 25 pst. Gjennom mange år har vi hatt samme sats på selskapsskatt og alminnelig inntektsskatt for å unngå skatteplanlegging. Dette prinsippet videreføres, og vi foreslår også å senke inntektsskatten til For å redusere statens inntektsbortfall foreslår regjeringen å innføre en ny trinnskatt med fire trinn for personbeskatningen, som erstatter den nåværende toppskatten. Slik denne er foreslått fra regjeringen og med noen justeringer i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre, vil de fleste komme noe bedre ut med regjeringens forslag. Jeg er også glad for at en samlet om trinnskatt, selv om partiene kan være noe uenige om bunnbeløp og prosentpåslag på det enkelte trinn. For Høyre er det viktig å stimulere til investering i arbeidsplasser, både eksisterende og nye. Derfor er vi glad for at den samlede eierbeskatningen i regjeringens forslag er noenlunde den samme som i inneværende år. Når vi ser utbytteskatt og reduksjon i selskapsskatt under ett, skal beskatningen være om lag uendret. Vi er også glad for at bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1,2 mill. kr til 1,4 mill. kr – 2,8 mill. kr for ektepar – slik at om lag ytterligere 70 000 mennesker nå slipper å betale formuesskatt. En forbedring av formuesskatten gjennom økt bunnfradrag vil virke positivt for prosjekter som er avhengig av norsk egenkapital, og bidrar til For Høyre og regjeringen har det vært viktig å endre på skattefavoriseringen av investering i eiendom. Dette arbeidet fortsetter i statsbudsjettet for 2016 gjennom forslaget om å øke ligningsverdien av sekundærboliger og næringseiendom fra dagens nivå på 70 pst. til 80 pst. av markedsverdi. Det foreslås for øvrig ingen endringer i verdsetting av primærbolig og fritidseiendom. Verden er preget av økt globalisering, og dette betyr at virksomheter og skattegrunnlag er mer mobile enn tidligere. Det er derfor viktig at skattesystemet tilpasses nye utviklingstrekk ved norsk og internasjonal økonomi på en måte som gjør det mindre attraktivt å bruke store ressurser på internasjonal skattetilpasning som undergraver det norske skattegrunnlaget. Vi gjør skatteplanlegging og skatteflytting litt mer vanskelig gjennom rentefradragsbegrensning og utbyttebeskatning av lån fra selskap til privat aksjonær. Lavere skattesats vil også gjøre det mindre lønnsomt å flytte overskudd ut av Norge. Vi gjennomfører skatteendringer på flere områder, bl.a. forbedrer vi SkatteFUNN-ordningen. Maksimalt fradragsgrunnlag for egenutført FoU økes fra 15 mill. kr til 20 mill. kr, og fradragsgrunnlaget for innkjøpt FoU heves fra 33 mill. kr til 40 Denne ordningen har vist seg både effektiv og populær og bygger opp under ønsket om mer innovasjon og industriutvikling både for å trygge arbeidsplasser og for at eksisterende bedrifter skal kunne utvide aktivitet og tilby nye arbeidsplasser. Vi foreslår at gevinster ved realisasjon av landbrukseiendom kun skal ilegges kapitalskatt, og kvitterer med dette ut et viktig løfte i Dette er et viktig grep for å sikre omsetning av landbrukseiendommer, siden mange heldigvis ønsker å komme inn i denne næringen. Norge har i et normalt nedbørsår store kraftoverskudd, og det er viktig at denne situasjonen kan benyttes til industriutvikling og nye arbeidsplasser. Det er derfor bra at vi reduserer elavgiften for datasentre til samme lave sats som for industrien. Dette styrker konkurransesituasjonen for en næring som allerede har vist at de har vekstpotensial i Norge, og som gir betydelige ringvirkninger i antall arbeidsplasser og verdiskaping. Det bør også nevnes at regjeringen og Høyre forbedrer BSU-ordningen, boligsparing for ungdom, ved å øke maksimalt sparebeløp fra 200 000 kr til 300 000 kr. Dette er en viktig ordning for at unge lettere skal komme inn på boligmarkedet. boligmarkedet. For Høyre er det et betydelig velferdsgode at de fleste skal kunne eie sin egen bolig. Ellers innfører vi nå valgfritt enøkfradrag. Det betyr at vi i tråd med løftene fra Sundvolden-erklæringen gir skattefradrag for enøktiltak i hjemmet. Skal vi få til energieffektivisering av større omfang, må vi ha effektive ordninger for den eksisterende boligmassen som er enkle og ubyråkratiske å forholde seg til.

Det blir dyrere å pendle, elektrisiteten blir dyrere, det blir innført flyseteavgift – for å nevne noe. Høyre har snakket mye om nye ideer og bedre løsninger. Jeg synes det er en ærlig sak at Høyre legger opp til en skatte- og avgiftspolitikk hvor de som har mest fra før, får mer, og at vanlige folk sitter igjen med mindre enn det de hadde fra før. Mitt spørsmål er: Hvorfor er ikke Høyre ærlig om tapsprosjektet vanlige skattebetalere utsettes for?

Det skatte- og avgiftsopplegget som vi presenterer, mener vi svarer på denne utfordringen. Det er viktig å tilrettelegge for at investorer er villige til å bruke penger på å investere i arbeidsplasser og trygge jobber, og da trenger vi å legge rammebetingelsene på en måte som oppmuntrer til dette. Vi ønsker at det skal skapes mer i dette samfunnet, ikke skattes mer. Representanten

Ønsker representanten Meling at det skal bli enda flere nedleggelser av ruter i Rogaland, som et resultat av hennes egen politikk? Det er klart at denne avgiften er uheldig for enkelte flyplasser, at det kan skape problemer. Blant annet har vi hatt møte med representanter for Rygge flyplass i Østfold, som nok er veldig avhengig av ett lavprisselskap som har en ganske streng policy for dette med avgifter. Men denne avgiften er en del av et grønt skifte. Vi ønsker å oppmuntre til mer miljøvennlig atferd, og det å fly billig – 19 kr til Polen eller 60 kr til London – er kanskje ikke det mest miljøvennlige vi legger opp til. Så det å innføre en flyseteavgift er en en flyseteavgift er en del av et grønt skifte. Saksordføreren var innom mulighetene for en bred enighet om en skattereform i sitt innlegg. innlegg. Jeg er enig i at når man ser på de ulike partiers innretning på skatt, kan det synes som det er et grunnlag for det. Hvordan vurderer Høyre og representanten Meling muligheten for et bredt forlik ut fra hvordan vi ser de ulike partier legge seg i skattepolitikken? Jeg tenker at utgangspunktet for et bredt forlik er godt. Det baserer jeg på de signalene som har kommet gjennom behandling av statsbudsjettet og skatte- og avgiftsdelen av statsbudsjettet. Jeg ser at vi er ganske enige om en del hovedretninger, bl.a. det viktigste av alt, nemlig å få redusert selskapsskatten. Prinsippet om trinnskatt er det også bred enighet om. Så ser jeg at det kan være utfordringer også selvfølgelig, bl.a. når det gjelder dette med eierskatt. Men

med en politikk der man kompenserer for store skattekutt til de rikeste med en eksplosiv vekst i oljepengebruken? Den største og viktigste fordelingen og sosiale utjevningen skjer faktisk i måten vi disponerer statsbudsjettet på. Det skjer ikke gjennom selve skatteopplegget. Jeg har bare lyst til å gjenta at den aller største ulikheten når det gjelder sosial fordeling, går mellom de som har et arbeid å gå til, og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor vil det å skape jobber og tilby mennesker jobb være det aller viktigste vi kan gjøre for å få en god fordeling av velferdsgodene i samfunnet vårt. Da er skatte- og avgiftsopplegget viktig for å stimulere til nye arbeidsplasser og trygge eksisterende arbeidsplasser, sånn at alle har en jobb å gå til og kan forsørge seg selv og sin familie. Dermed er replikkordskiftet omme. Det skatteopplegget vi behandler i dag, er jo en del av et større bilde på flere måter. For det første føyer det seg inn i en rekke av vedtatte budsjetter fra sittende regjering og samarbeidspartiene. Det viderefører tidligere års skattekutt, og det legger til nye. Til sammen utgjør dette regjeringens definitive hovedsatsing og viktigste prosjekt, selv om – og det skal også sies – en del av neste års foreslåtte skattekutt måtte droppes, da realiteten med flyktningkrisen og de omkostningene den fører til, Denne hovedsatsingen innebærer en målrettet økning av forskjellene mellom folk, til tross for at stadig flere innser at små forskjeller er en viktig forutsetning for stabilitet, tillit, innovasjon og vekst i et samfunn. I fjor, som vi sikkert alle sammen husker – og noen bedre enn andre, vil jeg tro – ble budsjettet møtt med et ramaskrik, enorme skattekutt til dem med virkelig mye, kombinert med smålige kutt overfor noen av dem som strever mest i samfunnet vårt. Det var få som forsto at det skulle være oppskriften på omstilling. Årets profil innebærer ikke like store formuesskattekutt, men de fortsetter å være en viktig prioritet. Samtidig ser vi skjerpelser overfor arbeidsfolk og straffing av de arbeidsledige. Skattlegging av sluttvederlag er ett eksempel, skjerping av pendlerfradraget er et annet – og særlig i en tid da flere må belage seg på å pendle fordi arbeidsmarkedet er strammere. I år er også det første året de arbeidsledige merker resultatene av vedtaket som ble gjort i fjor, om å kutte Når jeg dveler litt ved dette innledningsvis, er det fordi denne prioriteringen på mange måter utgjør den viktigste skillelinjen mellom dagens regjering og alternativet. Vi vet at vi står overfor store oppgaver i årene som kommer. Ennå har ikke de store pensjonskostnadene for alvor slått inn, det ligger noen år fram, og svaret på det er ikke å kutte dramatisk i statens inntekter samtidig som utgiftene øker. Jeg hører folk fra regjeringspartiene, inkludert finansministeren, stadig gjøre forsøk på å hevde at vårt svar til et næringsliv i en krevende situasjon er enorme skatteskjerpelser. Det er feil. Vi har i mange, mange år sagt at vi ønsker et stabilt skattenivå. Vi går imot regjeringens store kutt, både fordi de setter oss dårligere i stand til å finansiere velferd og opprettholde den enorme styrken som ligger i å være et land hvor folk har noenlunde like muligheter, men også fordi de skattekuttene som har vært prioritert, har en høyst tvilsom effekt på vekstevnen i norsk økonomi. Dessverre er det slik, viser forskning, at effekten av å senke skatter er relativt beskjeden, men det har større skadelige effekter å sette dem opp igjen. Derfor er det alvorlig at vi har en regjering som har det å senke det generelle skattenivået som viktigste programerklæring, selv om vi har et skattenivå som er lavere enn eksempelvis Sverige, som etter åtte år med borgerlig regjering har sagt klart nei til ytterligere skattekutt. Vår kritikk mot å ta det samlede nivået kraftig ned, betyr ikke at vi har et statisk syn på skattesystemet. Det tar meg over til det andre punktet, hvor dette opplegget inngår som del av en større helhet, nemlig skattereformen. Vi satte i sin tid ned Scheel-utvalget. Vi gjorde det fordi det var nødvendig, sett i lys av den internasjonale utviklingen, med et stadig sterkere press på skattegrunnlaget og særlig selskapsskatten. Jeg skal ikke legge skjul på at det er krevende å forholde seg til deler av en skattereform som ennå ikke er behandlet i Stortinget i dette budsjettet. Allikevel er vi glade for at utvalgets anbefalinger ikke bare har havnet i en skuff, og vi velger, som saksordføreren også var inne på, å støtte regjeringens forslag om å gå ned til 25 pst. på selskapsskatt og inntektsskatt. Med det følger vi opp noen av de viktigste prinsippene i Scheel-utvalgets innstilling. Det betyr en omlegging fra kildebasert til residensbasert beskatning, noe som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge. Det er et selvstendig mål. Så er det noen temaer vi mener er viktige i den videre behandlingen av reformen, knyttet til å legge til rette for norsk eierskap, som vi mener at Scheel-utvalget ikke svarer godt nok på. Skjermingsrenten er ett tema, som vi nok kommer tilbake til. Et annet tema er den vridningen som ligger i dagens utforming av formuesskatten, med ulik verdifastsettelse av ulike formuesobjekter. Der har vi foreslått å gjøre noe med det i det alternative opplegget vi legger fram nå i høst, ved å sette alle formuesobjekter, med unntak av primærbolig, til 80 pst. La meg i forlengelsen av dette si at vi er villig til å snakke om ulike måter å innrette formuesskatten på, men det vi ikke kan forlate som prinsipp, er at skattesystemet skal reflektere det de aller fleste oppfatter som helt rimelig – at folk skal yte etter evne, og at formue på en eller annen måte skal beskattes i Norge. For å holde provenyet oppe følger vi opp to av Scheel-utvalgets anbefalinger som ikke er en del av regjeringens opplegg nå. Det ene er skattlegging av finansnæringen. Det har vært diskutert og utredet i flere runder før, og det er også grunnen til at vi, i likhet med Kristelig Folkeparti, mener at den kan innføres fra 1. juli. Det er Scheel-utvalgets forenklede modell vi foreslår, og utvalget har definert skattegrunnlaget i sine anbefalinger. Vi foreslår også å inkludere eksterne renter i rentebegrensningsregelen. Det er et tema som reiser noen dilemmaer, fordi det vil være selskaper som ikke driver aktiv skatteplanlegging, men som allikevel har høy gjeldsgrad, som vil bli rammet av en slik regel. Samtidig er Scheel-utvalget veldig klar på at dette er nødvendig for å få en effektiv rentebegrensningsregel, og at flytting av kapital gjennom å bruke renter er et så omfattende problem at det er viktigere å få dette på plass enn å skjerme enkelte høyt belånte selskaper. Det vil jo fortsatt være slik at det er veldig fordelaktig å finansiere en investering med gjeld sammenlignet med egenkapital. Avslutningsvis noen ord om avgiftssystemet, og jeg skal spare meg for morsomheter om opphavet til flyseteavgiften, men bare påpeke det underliggende og mer alvorlige i at forlikspartiene enda en gang så seg nødt til å finne på en helt ny avgift som ingen vet noe særlig om konsekvensen av, i tolvte time for å få budsjettet til å gå opp. Det vitner om svak styring og har lite med avgiften som sådan å gjøre. I Arbeiderpartiet har vi til og med landsmøtevedtak om å utrede en flyseteavgift etter tysk modell, med trykk på å utrede, fordi vi mener at vi må vite hva vi gjør hvis vi innfører en slik avgift – og etter tysk modell fordi den er differensiert og på den måten har mer direkte sammenheng med faktiske utslipp enn den avgiften som forlikspartiene nå har kommet opp med. Jeg synes det er synd. Jeg er generelt tilhenger av å bruke avgiftssystemet for å redusere utslipp. Vi har en lang suksesshistorie bl.a. med bil, men dårlig utformede og lite gjennomtenkte avgifter bidrar neppe til å øke oppslutningen om et grønt skatteskifte ute blant folk. Jeg må også si at jeg synes det er litt pussig at når man skal velge seg ut én avgift som skal markere det grønne avtrykket i dette budsjettet, er det elavgiften. Det kan sikkert finnes mange grunner for å ville øke elavgiften, men det er i hvert fall en avgift som har svak sammenheng med klimagassutslipp – om noen i det hele tatt, med det store kraftoverskuddet vi etter hvert har fått i Norge. Da ville det vært en bedre idé å følge Arbeiderpartiets alternative opplegg, som øker avgiftene på faktisk utslipp knyttet direkte til CO2, f.eks. på drivstoff – på diesel, helt spesifikt, i vårt opplegg. Ellers kan jeg helt til slutt si at vi har merket oss med en viss interesse formuleringene om Grønn skattekommisjon som kom ut av forliksprosessen. I likhet med mange andre er vi litt usikre på hva de formuleringene faktisk innebærer, etter at vi har hørt ymse forsøk på fortolkning fra de ulike forlikspartiene i offentligheten, men vi er på alle måter spent på fortsettelsen og ser også fram til behandlingen av anbefalingene fra Grønn skattekommisjon. Med dette tar jeg opp det forslaget Arbeiderpartiet er medforslagsstiller til. Representanten Marianne Marthinsen har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg har først og fremst lyst til å minne representanten

Så det er på ingen måte glemt. Det er mitt ønske at Stortinget kan klare å komme fram til en bedre løsning på den avgiften enn det som nå kom opp i tolvte time fra forlikspartiene. Jeg mener at det er en kortslutning som vi ofte ser hos Høyre, at man setter likhetstegn mellom lavest mulig skattenivå og antall arbeidsplasser som skapes i et samfunn. Jeg mener at forrige regjeringsperiode er et godt eksempel på at det ikke

Men for å kompensere for dette foreslår Arbeiderpartiet at formuesskatten skjerpes. For noen dager siden bekreftet derimot Arbeiderpartiet at de vil innføre en ny modell for arveavgift likevel, selv om de har foreslått å stramme inn formuesskatten for å kompensere for bortfallet av arveavgiften. Betyr det at vi fra 2018 kan regne med å ha en enda høyere formuesskatt enn i 2013, i tillegg til en ny arveavgift, om Arbeiderpartiet kommer i regjering?

traff dårlig, som stort sett bare traff dem som arvet f.eks. nedbetalte hus, og traff i veldig liten grad større formuer. Samtidig mener jeg at ethvert seriøst parti må ha en bevisst holdning til hvordan formue beskattes, og hvordan man unngår at formue konsentreres på færre og færre hender over tid, fordi dette rett og slett undergraver dynamikken og vekstevnen i et samfunn. Nå kommer landsmøtet til Arbeiderpartiet til å ta stilling til hva slags skattenivå vi går til valg på i 2017 – det kommer velgerne til å få svar på i god tid. Men jeg er helt sikker på at vårt landsmøte vil være opptatt av at vi skal ha et progressivt skattesystem, hvor formue beskattes i Norge. Med litt velvilje tolkar eg avslutninga på innlegget til representanten Marthinsen dit at Arbeidarpartiet no er

og frå stortingsrepresentant Terje Aasland, også Arbeidarpartiet, at Grøn skattekommisjon er altfor puslete og berre i liten grad vil føra til åtferdsendringar – ein litt forvirrande bodskap, men som dessverre føyer seg inn i rekkja av noko uklare og tvetydige meldingar frå Arbeidarpartiet når det gjeld klima- og miljøpolitikk. Spørsmålet er eigentleg er for eller imot eit grønt skatteskifte, og kva nivå ser Arbeidarpartiet føre seg at eit sånt skatteskifte skal vedta, gitt at me faktisk skal nå måla om utsleppsreduksjonar – mål som òg Arbeidarpartiet har slutta seg til? Representanten Breivik tolket meg i hvert fall riktig da han la til grunn at Arbeiderpartiet er positive til et grønt skatteskifte. skatteskifte. Det har vi etter hvert også en lengre historikk på, bl.a. med bil, som jeg refererte til i mitt innlegg. Omleggingen av bilavgifter har gjort at utslippene fra nybilsalget nå har gått ned med over 30 pst., og det skyldes i all hovedsak avgiftspolitikken. Grønn skattekommisjon er nettopp kommet, og vi må bruke tid på å sette oss inn i det. Men det jeg merker meg, er de første reaksjonene fra miljøbevegelsen, som er noe skeptisk til det som er lagt fram, fordi man i liten grad gjennom den innstillingen viser vilje til å bruke avgiftssystemet aktivt for å få til atferdsendringer. Man skal gjøre det dyrere å forurense, men det er i liten grad vilje til å bruke ulike nivåer for f.eks. å trigge en teknologi-overgang, som man har gjort med stor suksess med

Takk for et viktig, men omfattende spørsmål. Ja, vi har valgt å tolke den meldingen om skattereform som kom fra regjeringen, positivt. Vi ser at den tar opp i seg mange av Scheel-utvalgets anbefalinger, og man ser også i vårt alternative budsjettopplegg at vi stemmer for en del av de skatteendringene som er foreslått som en direkte konsekvens av Scheel-utvalgets innstilling. Så jeg mener at det er mye som ligger til rette for at Stortinget skal kunne samle seg om noen grunnleggende prinsipper for vårt skattesystem, men jeg tror nok, hvis jeg skal tørre å spå noen måneder fram i tid, at vi i likhet med i 1992, om vi skulle komme fram til et forlik, ikke vil få noen omforent holdning i Stortinget til satser og til skattenivået som sådant. Replikkordskiftet er omme.

Bortimot samtlige har alltid hatt større satsing på infrastruktur og fjerning av formuesskatt som to av sine tre viktigste punkter. Satsing på infrastruktur og skattelette har altså gått igjen relativt ofte, så da er jeg glad for at dette er punkter denne regjeringen har levert på, leverer på, og kommer til å levere på. For å stimulere til økt aktivitet og sikre norsk eierskap har vi derfor redusert formuesskatten. Vårt mål i Fremskrittspartiet er å fjerne den helt. Dette er en norsk særskatt som skattlegger norsk eierskap uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. I Fremskrittspartiet er vi opptatt av at verdier må skapes før de kan deles. Skal en skape verdier, må næringslivet ha gode rammevilkår i form av bl.a. bedre infrastruktur og et skatteopplegg som er vekstfremmende. I dag er skattenivået i Norge høyt sett mot sammenliknbare land.

men for Fremskrittspartiet er det også viktig å gi brede grupper i befolkningen lettelser. Mens de rød-grønne i valgkampen i 2013 snakket om at mindre skatt betyr mindre velferd, vil jeg snu litt på det budskapet, fordi lavere skattebyrde for den enkelte betyr mer frihet og økt personlig velferd. Mens personer med en inntekt på mellom 350 000 og 750 000 kr opplevde å få skatten økt i perioden 2005–2013, har Fremskrittspartiet i regjering bidratt til at denne gruppen i 2016 vil betale mellom 2 300 og 5 800 kr mindre i skatt enn de gjorde i 2013. Jeg hører at opposisjonen snakker dette voldsomt ned. Snorre Serigstad Valen sa i et portrettintervju med Finansavisen denne uken at skattelettelsene vi har bidratt med til vanlige folk, kun var nok til en banan i uken. Enten har Snorre Serigstad Valen fått kalkulatoren Arbeiderpartiet brukte i fjor, den som regner feil, eller så har han etter at han ble nestleder, lagt om vanene og byttet ut banan med den litt dyrere versjonen banansplitt. I Politisk kvarter for en uke siden sa nestleder i Arbeiderpartiet at de skulle reversere alle skattelettelser denne regjeringen har gjennomført. Det betyr at Arbeiderpartiet skal gå til valg i 2017 på å øke skattene med tusenvis av kroner for vanlige arbeidere. Det skal bli en morsom valgkamp om Arbeiderpartiet velger å

For 2016 vil det store grepet være endringer i engangsavgiften. Den nye modellen vil sørge for at biler som har store utslipp, vil bli vesentlig dyrere, mens vi har gjort tilsvarende lettelser av avgiftene for effekt og vekt. Konsekvensen er at vi belønner ny og miljøvennlig teknologi, vi sørger for at trygge, solide familiebiler blir rimeligere og dermed mer tilgjengelige for folk flest. Dette er godt nytt både for miljøet, for trafikksikkerheten tilgjengelige for folk flest. Dette er godt nytt både for miljøet, for trafikksikkerheten og for folk flest. Det er, sammen med et lavere skattenivå for selskaper og personer, en gjenkjennelig og god Fremskrittsparti-politikk Den innkalte vararepresentanten for Sogn og Fjordane fylke, Jenny Følling, har nå

Først og fremst vil jeg gripe fatt i det som representanten tar opp om skattelette til de rikeste. Jeg vil minne om at i dette budsjettet har Fremskrittspartiet kuttet avkortingen for gifte pensjonister, som betyr at 650 000 pensjonister får økt sin pensjon med 4 000 kr ekstra i året. På toppen av det har vi fått til 4 000 kr i økt pensjon fra 1. september for enslige alderspensjonister, og som jeg sa fra talerstolen har vi også sørget for at 60 pst. av lettelsene i årets budsjett går til dem med inntekter på mellom 350 000 og 750 000 kr. Når det gjelder spørsmålet om sluttvederlag, så har skattefriheten med den type vederlag vært et fradrag som er med og bidrar til å gjøre skattesystemet mer byråkratisk, mer tungvint. Vi har sagt at vi ønsker å avbyråkratisere, gjøre ting enklere. Det gjør vi ved å sørge for at det lavere skattesatser og få fradrag, det er en bedre løsning enn å ha høye skattesatser og store fradrag. En positiv effekt av vedtaket er at dette nå også vil regnes som pensjonsgivende inntekt. Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene innførte en ny skikk i fjor – man innførte en avgift i desember og avskaffet den før den fikk effekt. Det var jo ny skikk i fjor – man innførte en avgift i desember og avskaffet den før den fikk effekt. Det var jo veldig klokt, spør du meg. Og der, i avgiftsvedtaket, var det en § 3 og § 4 der man på en måte la inn en nødventil. Jeg har i løpet av mitt tiårige liv på Stortinget sett de forbedringene to ganger, det var poseavgiften i fjor, og så flyseteavgiften i år. Så da ble jeg litt optimist, for det står at man kan på en måte reversere dem hvis de ikke var «overveid», de effektene en ser når avgiftsvedtaket ble fattet, og jeg tror ikke at alt var overveid. I dag har jo nyheten kommet om at flyplassdirektøren ved Moss Lufthavn Rygge sier at flyplassen kan bli lagt ned fra 1. november neste år. Var det overveid på tidspunktet for avgiftsvedtaket, og hvis det ikke var overveid, vil dere da reversere det?

Men vi har vært med og stemt for forslaget, og det inneholder den paragrafen som du nevner. Nå skal dette ut på høring, nå skal det gjennomgås, vi skal få innspill fra næringen for å se på hvordan avgiften best mulig kan innrettes, men jeg tror nok ikke at vi opplever det samme som vi gjorde med poseavgiften, at den blir fjernet fullstendig. Jeg vil også påpeke det som representanten tok opp i spørsmålet til Siri Meling tidligere, om Haugesund lufthavn, og så vil jeg også si at Widerøe har vært ute og sagt at markedssvikt i markedsandelen kanskje er den viktigste årsaken til at de velger å kutte ruter. I nasjonalbudsjettet som finansminister Siv Jensen la fram, står det at den type miljøavgifter, som det kalles, som blir innført på fly, ikke vil ha noen effekt på grunn av det europeiske kvotesystemet. Og jeg er i denne sammenheng helt enig med finansministeren. Men spørsmålet er igjen: Når man har fått inn det punktet om at man skal kunne se på det på nytt, og at departementet skal kunne se på det på nytt, hvis avgiften gir konsekvenser som ikke var gjennomtenkt, eller «overveid» – som det står i innstillingen – da avgiftsvedtaket ble truffet: Var det overveid det vi nå ser,

det ansvaret er løftet fra Stortinget og til statsråden. Jeg vil takke representanten Steffensen for å udødeliggjøre mine sitater her i salen. Og jeg skal ta selvkritikk: Jeg kan rette meg til at Fremskrittspartiets skattekutt for folk flest begrenser seg til en banan om dagen, og da er jo spørsmålet: Hvilken forskjell gjør egentlig det? Hadde ikke de pengene man har brukt på det, vært bedre anvendt på f.eks. å bevare skattefritaket på sluttvederlag? Hva slags melding er det egentlig å sende til de tusenvis av menneskene som i disse dager har mistet jobben, at man skal begynne å skattlegge deres arbeidsløshet? Nok en gang tror jeg Snorre Serigstad Valen bommer med kalkulatorutregningen, for i så fall må det være kilopris på bananer han snakker om – ikke på enkelte bananer. Men når det gjelder sluttvederlag, vil jeg nok en gang si at dette er en måte å forenkle skattesystemet på, ved at vi prøver å fjerne en del typer fradrag, sørger for at alt blir regnet som inntekt.

Når det gjelder skatte- og avgiftssystemet, er Kristelig Folkepartis mål at vi skal ha et system som i minst mulig grad hemmer verdiskaping, sysselsetting, frivillighet og sparing, samtidig som det bidrar til å nå viktige mål om fordeling, miljø og folkehelse. Det er de hensyn vi har lagt til grunn i Kristelig Folkepartis alternative budsjett. Norsk økonomi går inn i en krevende periode med lavere verdiskaping og økende ledighet som følge av lavere oljepris og gradvis aldring i befolkningen. Samtidig vokser ulikheten på grunn av globalisering og ny teknologi. Som Paris har vist oss: Det er store klimautfordringer som må løses, og heldigvis også vilje til det. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi også prioriterer de skatteendringene som gir de største bidragene til økt verdiskaping og investeringer som sikrer en god fordelingsprofil, og som bidrar til et bedre klima og miljø. Derfor har Kristelig Folkeparti sluttet seg til regjeringens forslag til reduksjon i selskapsskatten fra 27 til 25 pst., noe også Scheel-utvalget anbefalte. Kapitalen er som kjent mobil, og kan lett gå til andre land med lavere skatt hvis forskjellen i beskatningen blir for stor. Den gjennomsnittlige skattesatsen i OECD har gått ned fra nesten 50 pst. på begynnelsen av 1950-tallet til om lag 25 pst. i dag. Skattetilpasning er, som vi vet, dessverre utbredt, bl.a. ved at overskudd flyttes til lavskatteland. Det er relativt bred faglig enighet – jeg kan nevne både OECD og IMF – om at reduksjoner i selskapsskatt og inntektsskatt for personer gir et større bidrag til verdiskaping og investeringer enn mange andre skatteletter, og det er det vårt forslag til skatte- og avgiftsopplegg også reflekterer. Så har jeg lyst til å ut fra både replikkene vi har hatt, og det som vi ser av de enkelte partiers skatteopplegg, ser jeg rimelig positivt på muligheten for et skatteforlik ut fra den stortingsmeldingen som nå ligger til behandling, og som vi skal ha en omfattende høring om i Representanten Marthinsen sa at vi kanskje ikke blir enige om alle prosenter og skattesatser, men hvis grunnpilarene ligger på plass, kan det også legge grunnlaget for et robust skattesystem som gir forutsigbarhet. Det har vært et kjennetegn ved det norske systemet i mange år, og jeg håper det kan fortsette når vi får avgitt en innstilling om om dette oppfølgingsarbeidet av skattereformmeldingen. Vi har vært enige – stort sett tverrpolitisk – om at det er et mål å sette ned skatt på arbeid og for bedriftene. Så har vi samtidig sagt at da er det rimelig at man øker skatten på forbruk. Det som er interessant, er at det generelle skattenivået er det sjelden betydelig debatt om. Det er interessant hvordan skatteopplegget for både personer og bedrifter har gått gjennom denne budsjettprosessen med relativt stor ro, men med en gang man rører på en eller annen avgift, kommer støynivået. I så måte tror jeg både det som det er enighet om i Paris, og som også Grønn skattekommisjon legger opp til, nemlig å øke skatter på forbruk – ikke minst det forbruket som også gir miljøutfordringer – blir et stort debattema framover, hvor vi må forvente støy. Da er det opp til oss og denne forsamling å stå i den debatten og ta de valg som er riktige og viktige, ikke minst på lang sikt.

usosialt å skattlegge arbeidsledighet, som representanten Serigstad Valen så godt sa det? Vil Kristelig Folkeparti f.eks. at det skal være avkorting i Nav-ytelser knyttet til en sluttvederlagsordning som nå blir definert som inntekt?

vi ser litt på de utfordringene debatten skaper, bl.a. i dette ordskiftet. Grønn skattekommisjon la nylig frem sin rapport, og mitt spørsmål til Syversen er hvordan han og Kristelig Folkeparti ser frem til det arbeidet som nå skal skje i forbindelse med Grønn skattekommisjon og

og at det skal reflekteres i skattesystemet, det håper jeg også blir et bærende fundament for oppfølgingen som regjeringen skal ha, og som vi etter hvert også skal ha i Stortinget. Jeg synes den enigheten vi nå fikk om bilavgifter – først i forbindelse med revidert budsjett, som er fulgt opp i forliket – gir akkurat den beskjeden, og at det kan være et godt forbilde i så måte. Odd Holten er «medfar», for å bruke det uttrykket, til lufthavnen på Rygge. veldig stolt av det, og han har stort eierskap til det medfarskapet der. Nå kan det farskapet snart være slutt, for det varsles i dagens aviser at Moss Lufthavn Rygge skal legges ned fra 1. november. Da er mitt spørsmål til Syversen: Kan dette komme under § 4 – altså at dette «ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet»,

for flyplasser, jeg vet ikke helt. Jeg synes vi nå skal roe det litt ned. Jeg er ikke så veldig overrasket over at det er aktører som nå har sterke interesser i å mene det ene eller det andre om utfallet av det som er forliket, og hvilke konsekvenser det vil få i den fasen vi er i nå. Jeg tror vi med fordel kan avvente den høringsprosessen som skal være, og som vil gi de innspill som skal gis fra ulike aktører. Jeg tror vi skal se hvordan det da går, før jeg vil felle noen dom over det forslaget som representanten Slagsvold Vedum antydet.

så veldig langt unna null. Slik sett må jeg tro at også representanten Serigstad Valen mener at denne regjeringen og de forlikene vi inngår her på Stortinget, går i riktig retning. Replikkordskiftet er omme. Det som er Det som er et lite paradoks i dagens debatt og i den debatten vi hadde for et par uker siden også, er at ingen av oss har snakket om valutaen, kronen, som er det viktigste elementet av alle for at vi nå klarer å forbedre konkurransekraften til norsk næringsliv. Hvis man ser på det jeg pleier å definere som den gode tiden, da jeg selv satt i regjering, fra februar 2013 tider skal komme, og tider skal henrulle – har kronekursen falt med 25 pst. siden da. Det er hovedgrunnen til at vi nå ser økt investeringstakt i norsk industri. Det er litt viktig når vi skal diskutere skatte- og avgiftsgrep, der Senterpartiet har tro på mer aktiv bruk av avskrivingsregler og den typen målrettede skatte- og avgiftsgrep, og der dagens styringspartier har mer tro på formuesskatt, at vi i ærlighetens navn ser på hva som er de aller viktigste driverne i økonomien. Det som kanskje er hoveddriveren i økonomien nå, er at vi har fått et helt annet bytteforhold, en helt annen konkurransekraft når det gjelder innenlands industri, med et verdifall på kronen på 25 pst. Nå vil det sannsynligvis stige litt igjen. Det er aldri bra med for høyt, som det sikkert var i 2013, og kanskje det er for lavt nå. Det er bra at det er stabilitet. Men i sum har i hvert fall det at vi har en egen valuta, hjulpet oss gjennom den bøygen vi er i, når vi har den sviktende oljekursen som vi har. Det som jeg synes det er viktig å løfte fram fra Senterpartiets opplegg i skatte- og avgiftsopplegget, er at vi ønsker å bruke skatte- og avgiftsopplegget mer til å sikre en bedre sosial og geografisk fordeling. Når en ser på skatteopplegget vårt, vil alle de som har under 500 000 kr i inntekt, få en lavere skattebelastning med vårt opplegg enn med regjeringens opplegg. Når det gjelder geografisk fordeling, har vi målrettede skatte- og avgiftsgrep mot fiskeri, mot industri og mot transportnæringen. Vi har også noen helt klassiske skattefradragsordninger for Finnmark og Nord-Troms. Et av de temaene som har vært mest diskutert i årets budsjettbehandling – det er jo ofte detaljene som vi diskuterer, som betyr mye – er pendlerfradraget. Vi synes det er veldig rart at man i en tid med økende ledighet, der Robert Eriksson som arbeidsminister har sagt at folk må være villige til å reise lenger, velger for tredje året på rad å gjøre pendlerfradraget så mye dårligere. Vi burde være glad for og stimulere til at folk skal være villig til å reise når de mister jobben. Så vi synes det er en uklok politikk i en tid når folk må reise mer. Vi har gått motsatt vei og økt pendlerfradraget vesentlig, fordi vi mener at det er et bedre og mye mer riktig virkemiddel enn bare flate skatteletter, som regjeringen legger opp til. til. Det som også er veldig utfordrende, som jeg også var innom i finansdebatten, er at når det er fire partier som har så ulike syn, så gir det en del rare utslag. Denne sluttvederlagsordningen kan jeg ikke i min beste tro tro var gjennomtenkt. At det var et mål for Kristelig Folkeparti og Venstre å innføre økt skatt for 60-åringer som mister jobben, klarer jeg ikke å tro. Men det som i hvert fall er viktig når det har skjedd, som jeg mener var en feil,

ser at den typen ting skjer, fordi ting skjer i de siste nattetimene, bør man rydde opp i det så fort som mulig, sånn at ikke enkeltmennesker rammes og det skapes for mye usikkerhet når ledigheten er på vei opp, som den er akkurat nå. I fjor var det poseavgiften som ble et av de morsomme eventyrene for oss og marerittene for

og 160 kr tur-retur Bodø–Svolvær. Da har det ikke noen miljøeffekt. Det har en motsatt og negativ effekt. Nå ser vi at det gir en del negative effekter innenlands, ved at klassiske distriktsruter legges ned, og vi ser det i dag ved at Rygge flyplass kan legges ned. Jeg håper at regjeringen og de fire forlikspartiene går inn i det litt åpent, og at man trekker i nødbremsen når man ser at dette har ingen effekt på grunn av kvotesystemet, og at konsekvensen er at mange gode tilbud legges ned. Presidenten antar at representanten skal ta opp forslag. Det får han lov til, selv om han har brukt opp taletiden. Ja. Takk, president. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp forslagene fra Senterpartiet. Det blir replikkordskifte. I flere replikkordskifter har representanten Slagsvold Vedum tatt opp flyseteavgiften og president. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp forslagene fra Senterpartiet. Det blir replikkordskifte. I flere replikkordskifter har representanten Slagsvold Vedum tatt opp flyseteavgiften og viser på mange måter et prisverdig engasjement for norsk næringsliv. Jeg må si jeg skulle ønske at det også kunne gi seg litt uttrykk i tilknytning til andre typer rammebetingelser som er mer generelle og gjelder for alle. Da snakker jeg selvfølgelig om den store skatte- og avgiftsskjerpelsen på rundt 15 mrd. kr som Senterpartiet legger opp til i sitt budsjett. Dere går altså inn for å skjerpe eierskatten til dem som skal satse og investere i arbeidsplasser i Norge. Dere går inn for å skjerpe formuesskatten for å få mer privat kapital på banen og for å skape og trygge arbeidsplasser i Norge, og dere foreslår en egen finansskatt – et helt nytt element – skatt på overskudd og arbeid i finansnæringen. Blir ikke denne flyseteavgiften litt liten i forhold til 15 mrd. kr i generelle skatteskjerpelser for næringslivet? Presidenten vil minne om at all tale skal rettes til presidenten. I skatte- og avgiftsopplegg og skatte- og avgiftsendringer, og egentlig i all politikk, har jeg veldig tro på forutsigbarhet, at de tingene vi gjør, skjer gradvis og er forutsigbare. Skatte- og avgiftsopplegget vårt er veldig forutsigbart. Det er på linje med det vi gjorde i fjor, og det er på linje med det vi gjorde i regjering. Det er en grønn tråd i det skatte- og avgiftsopplegget. Når det gjelder finansskatten, var det også noe vi begynte å jobbe med i regjering. Dette er en næring som går med ca. 8 mrd. kr i overskudd, og vi mener at den skal beskattes mer likt med andre næringer. Det har vært et bredt politisk engasjement for det, Scheel-utvalget har også anbefalt en tydeligere beskatning av den næringen. Så det er ikke noen uventet beskatning for næringen, og vi mener det er rett at også den næringen bidrar mer inn til fellesskapet, og at den tidvis har vært for oppblåst i norsk økonomi. Jeg registrerer at representanten Slagsvold Vedum er Jeg registrerer at representanten Slagsvold Vedum er veldig opptatt av skatte- og avgiftsnivået. Det er i utgangspunktet veldig positivt, men det er vanskelig å se sammenhengen med det skatte- og avgiftsopplegget som Senterpartiet har foreslått for 2016, og som Siri Meling også var innom. Blant annet er det slik at alene legger man en ekstra belastning på norske eiere med gjennom økt beskatning av utbytte og også at man skjerper formuesskatten. Da kan man spørre seg: Hvor overveid er det, og hvordan skal Senterpartiet i det hele tatt klare å gjennomføre så massive skatte- og avgiftsskjerpelser uten at det rammer næring i distriktene? I vårt skatte- og avgiftsopplegg ligger det et lavere skatte- og avgiftsnivå enn det norsk næringsliv hadde i 2013. så massive skatte- og avgiftsskjerpelser uten at det rammer næring i distriktene? I vårt skatte- og avgiftsopplegg ligger det et lavere skatte- og avgiftsnivå enn det norsk næringsliv hadde i 2013. Det er et mindre skatte- og avgiftstrykk enn det som var gjeldende da. I formuesskatten har vi fritatt dem med næringseiendom – vi har ikke ønsket å verdsette det så høyt som regjeringen har ønsket. Så har vi det store skatte- og avgiftsgrepet vi gjør på næringslivet, det er økt skatt på finansnæringen. Selvfølgelig har enhver skatt og avgift en pris og en kostnad, men vi at den næringen kan skattlegges mer, og at vi kan bruke midlene på andre formål. Så har vi gitt målrettede skatte- og avgiftslettelser, f.eks. helt andre pendlerfradrag enn det regjeringspartiene har lagt opp til. Alle som har under 500 000 kr, får skattelettelser, og de som har over 600 000 kr, får litt skatteskjerpelse. Men folk flest får litt lavere skatt med vårt Jeg registrerer at Slagsvold Vedum ikke svarer på mitt spørsmål. Det er ikke alle som gjør det i replikkordskifte. Det bør allikevel være en viss redelighet, for det som ligger i skatte- og avgiftsopplegget til Senterpartiet, er bl.a. at man foretar en betydelig skjerping av formuesskatten, og man øker altså eierbeskatningen ved at man øker utbytteskatten. Det er jo tilleggselementer. Det er det som går direkte på det norske eierskapet og rammer norske eiere, og ikke de elementene som norske eierskapet og rammer norske eiere, og ikke de elementene som Slagsvold Vedum tok frem i svaret. Det ser vi ulikt på, for det er helheten som teller. Det vi også har gjort i formuesskatten, er, som jeg sa i svaret, å skjerme næringseiendom på en annen måte enn det regjeringen har gjort. Næringsrelatert eiendom får en lavere formuesverdi enn med Fremskrittspartiets opplegg. Vi har økt bunnfradraget ytterligere i formuesskatten, og vi har gjort målrettede grep der vi forbedrer avskrivningssatsene, som gjør at det Vi har økt bunnfradraget ytterligere i formuesskatten, og vi har gjort målrettede grep der vi forbedrer avskrivningssatsene, som gjør at det blir mer lønnsomt i bedriftene. Vi har også redusert transportkostnadene ved å sette ned bompengeavgiftene for transportnæringen og tungtransport. Det mener vi er et veldig målrettet grep som øker lønnsomheten her og nå.

setja i verk tilbakeverkande skattereglar for skattlegging av aktivitet i 2015 er heller ikkje lovleg. Det finst heller ingen konkrete forslag til regelverk eller lovvedtak i innstillinga me no behandlar – i alle fall ikkje som eg har klart å oppdaga – frå Senterpartiet si side, ei heller vert det fremja nokre sånne i finansinnstillinga. Forslaget til Senterpartiet er på alle område umogleg å gjennomføra frå 1. januar 2016,

hadde noen år tilbake. Det har vært en god modell og en rett modell. Vi mener at det er rett å beskatte finansnæringen mer når de hadde et overskudd i 2014 på 80 mrd. kr. Det er en politisk prioritering vi har gjort. Vi gjorde det i fjor, vi gjør det i år, og vi kommer også til å gjøre det til neste år. Vi mener det er en del av norsk næringsliv som kan ta en større del av den totale skattebyrden.

overordna mål for Venstre i skattepolitikken er eit grønt skatteskifte, der skattesystemet vert brukt aktivt for å stimulera til arbeid og arbeidsplassar, utvikling og innovasjon, investering og eigarskap i norske verksemder og til å premiera miljøvenleg åtferd. Konkret betyr det lågare skatt på arbeid, eigarskap og bedrifter, skattestimuli for å gjera miljøvenlege val og auka avgifter på Skattar og avgifter er eit viktig politisk verkemiddel for å styra åtferd som etter vårt syn i altfor liten grad har vorte brukt dei siste åra. Hovudprioriteringane til Venstre i skatteopplegget for 2016 er nettopp eit grønt skatteskifte og at skattesystemet vert brukt aktivt til å stimulera arbeid og arbeidsplassar, utvikling, investering og eigarskap i norske verksemder. Samla føreslår Venstre eit skatte- og avgiftsopplegg som medfører eit grønt skatteskifte på 12,5 mrd. kr, og eit skatte- og avgiftsopplegg på om lag det same nivået påløpt for 2016 som forslaget frå regjeringa. På onsdag i førre veke fekk regjeringa forslaga frå Grøn skattekommisjon. I stort var det ein rapport som overordna var rett tenkt, men der forslaga samla sett ikkje er tilstrekkelege til å nå dei klimamåla Stortinget har vedteke, klimamål som må ytterlegare forsterkast Heldigvis er regjeringspartia, Kristeleg Folkeparti og Venstre – som ein del av budsjettavtalen – samde om at eit grønt skatteskifte i 2017 skal vera av ein storleik som forsterkar klimaforliket og gjev betydelege reduksjonar i klimautsleppa. Ein god del av forslaga som vart fremja i Grøn skattekommisjon, finn ein igjen i Venstre sitt forslag til statsbudsjett for 2016, m.a. ei gjennomgåande og lik CO2-avgift for alle utslepp. Det er viktig at miljøavgiftene er høge nok til at folk endrar åtferd for å få den nødvendige effekten, og det vert lågare skatt for folk og bedrifter i skatteveksling, slik at fridomen til å velja klimavenleg vert reell. Det finst parti på Stortinget som er villige til å ta i bruk grøne avgifter, men som ikkje ser noko poeng i å gje skattelette tilbake, og det finst andre parti som er villige til å gje skattelette, men som ikkje ser noko poeng i å auka miljøavgiftene. Eit grønt skatteskifte, slik Venstre føreslår, vil gjera det meir lønsamt for både bedrifter og folk å ta miljøvenlege val. Berre slik når me klimamåla og unngår å senda klimarekninga til komande generasjonar. Etter Venstre sitt syn må skattesystemet påskjøna arbeid. Venstre vil gje mest skattelette til dei med dei lågaste eller heilt ordinære inntekter. Den enklaste måten å gjera det på er å ha eit frådrag i botnen av inntekta som kjem alle til gode, men som har størst effekt for dei med låge og moderate inntekter. Regjeringa har lagt fram ein trinnskattemodell i tråd med tilrådingane frå Scheel-utvalet for å redusera kostnadene som følgjer av at den generelle skattesatsen vert redusert frå 27 til 25 pst. Venstre meiner likevel at denne modellen kan gjerast betre og enklare og gje høgare lettar for dei med moderate og låge inntekter. Venstre har difor føreslått ein modell der det første trinnet vert fjerna, og der dei andre trinna vert heva noko i prosentsats og redusert litt i innslagspunkt. I tillegg har me føreslått auka minstefrådrag, auka og trygdeavgift.I sum vil desse endringane medføra ein skattelette samanlikna med forslaget frå regjeringa for alle inntekter under 1 mill. kr, men klart mest for inntekter mellom 200 000 kr og 400 000 kr, som vil få ein netto skattelette på mellom 2 500 kr og 3 000 kr. Tilsvarande vert det ei skatteskjerping for inntekter over 1 mill. kr. Sjølv kombinert med betydelege miljøavgifter vil ein vanleg familie koma ut med ein god skattelette samla sett eit reelt grønt skatteskifte der det løner seg å ta grøne val. Eg tek til slutt opp forslaga til Venstre i innstillinga me har til behandling, som dreier seg om å heva grensa for omsetning for rett til årlege momsoppgåver, ei monaleg forenkling for mange av dei minste bedriftene,

de innrømmet også her i replikkordskiftet at de motarbeidet det grønne skatteskiftet i forhandlingene rundt forliket. Venstre var ute og sa at transport må bidra mer, og det er vi i Arbeiderpartiet helt enig i. Mitt spørsmål er derfor: Vil Venstre kunne støtte et statsbudsjett for 2017 der en ikke har økninger i bilavgiftene, og der transportsektoren ikke bidrar mer? Transport står for ca. ein tredjedel av dei totale utsleppa i Noreg, og dersom me skal nå utsleppsmåla i 2020 og til og med forsterka dei i forhold til klimaforliket og no ytterlegare forsterka dei som eit resultat av Paris-avtalen, er det vanskeleg å sjå føre seg at ein ikkje er nøydd til å gjera noko anten med vegbruksavgifter eller aller best

Takk for eit viktig spørsmål. Kombinasjonen er jo eigentleg perfekt for å bidra til at norsk næringsliv aukar konkurransekrafta si på ein verdsmarknad der grøne verdiar allereie er ein av dei store drivarane. Det er ikkje tvil om at eit grønt skatteskifte gjort på rette måten, som Venstre, Kristeleg Folkeparti og

flyplassdirektør Tandberg har sagt at driften på Rygge skal legges ned fra 1. november? Er det noe som Venstre applauderer? Flyplassavgifta er jo primært ei grøn avgift. I eit grønt skatteskifte er me, som eg sa frå talarstolen, heilt avhengige av å Fly er dessverre ei av kjeldene som er skadelege for klimaet. Det illustrerer òg veldig godt eit grønt skatteskifte der ein legg avgift på sjølve forureininga, altså flyginga, samstundes som ein bruker meirinntektene til m.a. å innføra ei lågare flyplassavgift på drivstoff som er meir klimavenleg enn det dei fleste flya går på

Det har jo regjeringen slått fast at finansnæringen er – i sine nasjonalbudsjetter har de skrevet det. Derfor foreslår regjeringen innført en slik avgift. Nesten alle opposisjonspartier støtter det. Hva er det som gjør at Venstre skiller seg ut ved å være imot en mer rettferdig og lik beskatning av finansnæringen og annen og mer produktiv

Så det er punkt nummer 1: Kva type tenester skal avgiftsleggjast, korleis skal ein gjera det, omfang etc. Hovudgrunnen til at Venstre er skeptisk, er at skatt på finansielle tenester indirekte vert ein forbrukarskatt. Denne næringa har heller ikkje noka anna moglegheit til å inndriva ei meirutgift enn å velta det over på

Økende økonomisk ulikhet kan bli en trussel mot samfunnskontrakten i Norge – måten vi har bygd velferdssamfunnet på, og viljen til å bidra gjennom skattesystemet på sikt. Folk må føle at de får ordentlig igjen for skatten de betaler. Skattekutt bør derfor først og fremst gå til de laveste inntektene og dekkes inn ved en økt skatt på de høyeste inntektene og formuene. Derfor ønsker jeg og SV en økonomisk politikk som gir grunnlag for arbeid for alle, mindre økonomiske forskjeller og gode velferdstjenester til alle. Derfor legger vårt alternative budsjett, i motsetning til regjeringens og flertallets, grunnlaget for lavere klimagassutslipp, mer innovasjon og mer faktisk fornying av norsk økonomi. Vi trenger et rettferdig skattesystem, som bidrar til å utjevne forskjeller og ta vare på miljøet. Framfor å kutte i skatter og statens evne til å ansette lærere, brannfolk, sykepleiere osv. vil vi bruke skatteinntektene på å gjøre offentlig velferd bedre. Derfor vil vi ta tilbake hver eneste krone regjeringen gir i usosiale skattekutt til de aller rikeste gruppene i Norge. Så må vi endre skattesystemet, sånn at de med høy inntekt betaler mer skatt og ikke mindre. Inntektsskatten må bli mer progressiv og rettferdig.

Det må til for å få gjennomslag for en klimapolitikk som er ambisiøs og skaper nye arbeidsplasser og ny teknologi. Det kan ikke være sånn at mennesker som tjener 300 000–350 000 kr, opplever at det er de som sitter igjen med regningen når vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn. Til våren skal Stortinget behandle Scheel-utvalgets innstilling og stortingsmeldingen regjeringen har lagt fram om skatt. Det skal ende i en skattereform som forhåpentligvis gjør det norske skattesystemet bedre. Utvalget foreslår å senke den alminnelige skatten – det gjør også regjeringen – og flytte noe skatt fra inntekt og til eiendom. Gjort riktig vil dette bidra til å dempe den kraftige prisveksten på boliger, fordele fra dem som eier bolig, til dem som er nødt til å leie bolig, og utjevne skjevhetene mellom skatt på eiendom og annen formue. Derfor synes jeg det er ganske oppsiktsvekkende at SV for øyeblikket er alene om å støtte opp om dette punktet i Scheel-utvalgets innstilling. Alle vet egentlig innerst inne – de fleste i Høyre vet det, de fleste i Venstre vet det, de i Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vet det – at vi trenger å flytte skatt fra arbeidsinntekt og til eiendom for å gjøre noe med den ville prisveksten i boligmarkedet og skjevheten i den norske fordelingen. Da er det litt trist at ingen tør å si: Ja, vi skal inngå et bredt forlik, dette er tida for å innføre en nasjonal eiendomsskatt. Tida bør nå være over for populistisk retorikk. Det er ikke snakk om å øke skattene for folk, det er snakk om å flytte skatt fra arbeid til eiendom. Det håper jeg flere partier omfavner i ukene som kommer, for det må til. Vi kan ikke fortsette å øke gjelda i samfunnet vårt ukontrollert. Vi kan ikke fortsette å øke de sosiale forskjellene gjennom et boligmarked som skaper stadig større ulikhet. SVs forslag til grønne skatter og avgifter oppfordrer til mer miljøvennlig atferd, men med vel så mye gulrot som pisk. Vi flytter penger fra oljeinvesteringer til framtidas næringer. Vi gir økt sats for startavskrivninger i bedriftene, samtidig som vi fjerner de ekstra i skattesystemet. Sånn flytter vi mer økonomisk aktivitet fra sokkelen til fastlandet, og vi gir mulighet for flere nye arbeidsplasser. Igjen, dette er politikk som mange flere partier burde kunne omfavne, burde gjennomføre for klimaets skyld og for fordelingens skyld. Det hadde også gitt mulighet for å betale for de utgiftene vi har her og nå, istedenfor å bruke av framtidige generasjoners sparepenger. manglende viljen til en mer rettferdig skattlegging i denne salen fører til, er det en oljepengebruk som øker stadig mer, og et skattegrunnlag som synker stadig mer. Det er svært uheldig. Derfor tar jeg opp SVs forslag – for å bøte på skaden. Representanten Snorre Serigstad Valen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte.

Jeg blir litt satt ut av at vi skal være så usosiale, vi som konsekvent scorer høyest som det landet som er best å bo i. SV gikk selv til valg på å avskaffe fattigdom. Svaret da vi tok over i regjering, var at det ikke var 15 000 flere fattige i Norge, men 15 000 flere fattige barn. Samtidig har denne regjeringen gitt 15 mrd. kr i skattelette, men det var 15 mrd. kr som SV i regjering kunne ha brukt til å gjøre noe med fattigdom blant barn. Da lurer jeg på: Var det manglende vilje eller manglende prioritering som gjorde at dere fikk de resultatene? Svaret er enda enklere: Det var manglende oppslutning. SV er alene om å ville gjennomføre virkemiddelet som Fordelingsutvalget sa var klart viktigst for å eliminere barnefattigdommen. barnefattigdommen. Det er å gjeninnføre barnetrygda som en ordentlig fordelingsordning i Norge. Den har ikke vært inntektsjustert siden 1997 eller 1998. Det er svært uheldig. Det må både tidligere regjeringer, den rød-grønne regjeringa og den nåværende regjering ta ansvaret for. Jeg kan love at hvis flere gir sin stemme til SV, vil vi kunne gjennomføre denne økningen i barnetrygda som beviselig kommer til å sørge for at langt færre unger må vokse opp i fattigdom, må vokse opp med dårligere muligheter enn de andre barna, rett og slett vokse opp under forhold som er uverdige i Norge. SV sier i sine merknader at de fleste vil gå i pluss selv om man tar med økte drivstoffavgifter på 1 kr per liter diesel og 50 øre for bensin. Et spørsmål kan jo være om kan jo være om SVs forslag er en slags belønning eller straff for dem som hørte på tidligere finansministeren fra SV, Kristin Halvorsen, som sa til folk: Kjøp dieselbiler. Det ser ikke ut som om SV er mye å stole på der. Festvåg er en liten plass to–tre mil utenfor Bodø. Det bor for få der til at det kan gå kollektivtilbud for arbeidsreisende, noe som gjelder for mange plasser rundt omkring i Norge. Barnefamilier må til Bodø når barna skal på trening eller på på musikkøvelse. De har ikke noe valg; de må bruke personbil. Det er de som får regningen, ikke de som velger kollektivt. Spørsmålet er: Skal de straffes gjennom avgifter til å flytte til sentrale områder, eller vil SV ta initiativ til et flyttetilskudd? Nå er det jo Fremskrittspartiet som avgiftsbelegger folk flest i distriktene om dagen, og ikke SV. Jeg kan lese opp et kort

i pluss. Man kan faktisk doble bruken deres av dieselbil og doble strømforbruket, og de går fortsatt i null. Poenget med det er nettopp at man ikke skal straffe folk flest. Man skal sørge for at det blir billigere å velge miljøvennlig, at det er mer omfordeling i samfunnet, og at det er de med høyest inntekt og høyest formue som skal betale for det grønne skiftet. Sannheten er at alle inntektsgrupper opp til 600 000 kr i året kommer langt bedre ut med SVs opplegg enn med Fremskrittspartiets, selv etter at vi har innført eiendomsskatt og økt miljøavgiftene. Jeg lyttet til Snorre Serigstad Valens innlegg og ikke minst det som ble sagt om en nasjonal eiendomsskatt. Det er også sånn at de partier som nå utgjør flertallet, har skjerpet beskatningen for sekundærboliger i løpet av de tre siste årene.

å greie både en kommunal eiendomsskatt og en nasjonal eiendomsskatt? Jeg ser det er noen forslag i den retning, så kan representanten utdype litt hva man tenker rundt det? Jeg er glad for åpne spørsmål. Det vi foreslår, er en skatt som har et litt annet formål enn å øke likningsverdien på sekundærbolig. Det vi ønsker å gjøre, er å flytte en gjennomsnittlig person i Norge sin skattlegging noe fra arbeidsinntekten til vedkommende og over på eiendom. På den måten betaler ikke folk flest mer i skatt, men en større andel av det de betaler i skatt, er på bolig. Det vil ifølge Statistisk sentralbyrås siste rapport, som faktisk kom for to uker siden, føre til dempet boligprisvekst og vil ha en utjevnende effekt på flere plan i Norge. Vi foreslår et bunnfradrag på 1 mill. kr og en promille på 1 uavhengig av den kommunale skatten, siden det ikke fører til netto skatteøkning for en gjennomsnittlig husholdning i Norge. Norge. Så ønsker vi også å ha en ordning for utsettelse av betaling av denne skatten for personer med lave inntekter, slik at det påløper som et krav ved skifte, f.eks. Andre unntaksordninger er jeg også helt åpen for å snakke om. Vi er overhodet ikke gift med denne modellen; det er prinsippet vi ønsker å synliggjøre. Replikkordskiftet er omme. Fallet i oljeprisen har bidratt til at norsk økonomi nå er inne i en lavkonjunktur. Veksten i fastlandsøkonomien har avtatt, og mange opplever utrygghet for jobbene sine. Det er

deler av norsk næringsliv må derfor vende seg mot nye markeder. Da er det viktig at vi bl.a. har et skattesystem som stimulerer til økte investeringer og til vekst i fastlandsøkonomien. Skattesystemet må tilpasses nye utviklingstrekk, skattegrunnlagene har blitt mer mobile som følge av økt handel og tettere integrerte markeder. Norge ønsker ikke å lede an i en skattekonkurranse mellom land, men samtidig opplever vi at våre naboland og land det er relevant å sammenlikne oss med, har redusert selskapsskatten betydelig de siste årene. Vi er et lite land med en åpen økonomi. Hvis forskjellen mellom Norge og verden rundt oss blir for stor, kan det over tid svekke vår konkurransekraft og gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge. Det betyr til syvende og sist færre arbeidsplasser og en mer utrygg økonomisk hverdag. Skattereformen er det viktigste strukturpolitiske tiltaket for å skape nye arbeidsplasser. Reformen innebærer først og fremst lavere skatt for selskaper, men vi senker samtidig skatten for vanlige folk og gjør det mer lønnsomt å jobbe. Jeg er derfor veldig tilfreds med at et bredt flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper fra 27 pst. til Med budsjettforliket blir påløpte skatter samlet redusert med 5,6 mrd. kr fra 2015 til 2016. Det er mindre enn regjeringen foreslo, men det er likevel skatte- og avgiftsreduksjoner som monner. Siden regjeringen overtok høsten 2013 har skatte- og avgiftsnivået blitt redusert med om lag I regjeringens budsjettforslag ble det lagt vekt på at brede grupper av befolkningen skal få del i skattelettelsene, og jeg er glad for at også budsjettforliket har gitt rom for lavere skatt for et stort flertall av skatteyterne. Nesten 90 pst. av skatteyterne får lettelser eller uendret skatt. Gjennomsnittlig skattelette for lønnstakere blir 1 000 kr, mens alderspensjonister i gjennomsnitt får 600 kr i lavere skatt. Det vil også i 2016 komme skatte- og avgiftsendringer som bidrar til et grønt skatteskifte. I budsjettforliket har vi lagt om engangsavgiften i miljøvennlig retning, slik det var varslet i den helhetlige gjennomgangen i revidert nasjonalbudsjett. Det er også gjennom avtalen laget et løp for samarbeid mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om den videre oppfølgingen av grønn skattekommisjon.

og at det gis skatte- og avgiftslettelser for folk flest. Lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt å spare, investere og arbeide. Det vil gjøre økonomien mer vekstkraftig og bidra til at skatteinntektene øker over tid. Samtidig er det foreslått flere konkrete grunnlagsutvidelser som skaper rom for satsreduksjoner, som motvirker overskuddsflytting, og som gir bedre ressursutnyttelse. ressursutnyttelse. Dette er spørsmål som vil bli diskutert når Stortinget behandler skattemeldingen på nyåret. Det er en behandling som jeg ser frem til. Det er viktig, ikke minst at vi sender klare, forutsigbare signaler til næringslivet om hva slags skattesystem vi skal basere oss på i årene som kommer. Den forutsigbarheten alene vil være et viktig investeringssignal til norsk næringsliv som vi nå sårt trenger løfter kapitalen inn i nye vekstkraftige bedrifter for fremtiden. Det blir replikkordskifte.

forslag om økt veibruksavgift eller eventuelt økt CO2-avgift i statsbudsjettet for 2017? Det vil representanten få klarhet i når de fire partiene har gjort det grundige arbeidet som de nå skal i gang med. Det er et viktig arbeid som jeg ser frem til. Jeg tror ikke det blir lett, for det er litt ulike innfallsvinkler fra de fire partiene. Men vi har vist før at vi klarer å lage gode, brede forlik som gir gode resultater, og som ikke bare handler om å bruke pisk, men som snarere tvert imot også handler om å bruke gulrot. Det så vi veldig tydelig da vi ble enige om å legge om engangsavgiften i mer miljøvennlig retning, som samtidig gjør det mulig for barnefamilier å kjøpe seg en tryggere bil. Så det har vi vist at vi klarer. Jeg vil ikke nå forskuttere hva vi konkret kommer til å lande ned på, men vi har jo sagt at det vi skal forsøke å jobbe i retning av, er sektorvise skatteskift, og det vil jo bety at man netto sett ikke nødvendigvis skal komme dårligere ut av en omlegging. Nei, jeg hadde nok kanskje ikke forventet noe konkret svar akkurat på hva som lå i statsbudsjettet, men det ble også sagt i replikkordskiftet fra Fremskrittspartiets representant – egentlig ganske tydelig – at at det var Fremskrittspartiet på Stortinget som jobbet mot mye av de grønne skatteskifteforslagene som kom fram i forliket. Så mitt oppfølgingsspørsmål er derfor, i forlengelsen av det svaret som statsråden nå sa, at en konstruktivt skal jobbe for et grønt skatteskifte: Hvilke av de forslagene som ligger i Grønn skattekommisjon, kommer Fremskrittspartiet spesielt til å jobbe og kjempe for at skal få gjennomslag, eller kommer en til å fortsette den jobbe mot-linjen som representanten Fremskrittspartiet tidligere snakket om? Jeg tror jeg skal minne representanten om at det var Fremskrittspartiets stortingsgruppe som sammen med representanter for de andre tre samarbeidspartiene forhandlet frem enigheten rundt engangsavgiften. Det ble et godt forlik som gjør at vi kan legge om bilavgiftene på en god måte, å stimulere til en raskere utskiftning av bilparken, mer miljøvennlige biler, og ikke minst trygge, familievennlige biler. Så jeg vil mene at Fremskrittspartiets stortingsgruppe bidrar på en positiv måte i samarbeid med de andre partiene. Hvordan vi nå skal følge opp Grønn skattekommisjon, det gjenstår å se. Rapporten deres har vært kjent i kun få dager, det er mye å gå gjennom der, også mange sider som er kommet fra Grønn skattekommisjon som jeg har merket meg at mange ikke vil diskutere,

flertall for å innføre en eller annen form for merverdiavgift på finansielle tjenester. Det er en modell som bl.a. er presentert av Scheel-utvalget, og vi registrerer også at regjeringen i sin stortingsmelding om skattereform i hvert fall varsler at den kan komme. Så mitt spørsmål er: Ut fra at det nå synes å være en bred enighet om innføring av nettopp dette, kan statsråden bekrefte at dette vil være viktig for regjeringen å arbeide fram, slik at det kan presenteres i budsjettet for 2017? Som regjeringen varslet i skattemeldingen, er det et forslag vi nå jobber videre med. Men jeg har jo merket meg at noen partier i sine alternative budsjett har foreslått å innføre den allerede neste år. Det mener regjeringen er urealistisk. Derfor har vi heller ikke foreslått å gjøre det med virkning fra neste år. Men vi har sagt at det er nødvendig å utrede et slikt forslag noe bedre før vi kan fremme et konkret forslag om å innføre det.

det som er aller verst, og som uroer meg mest, er at hundrevis av familier i Østfold går inn i julen med frykt for å miste jobben til neste år. Roy Steffensen plasserte tidligere i debatten ansvaret hos finansministeren, og da er mitt spørsmål: Hva ønsker finansministeren å si til de familiene i Østfold som nå står i fare for å miste jobben neste år?

opererer i luftfarten. Vi har tenkt å gjøre det på en ryddig og skikkelig måte, selvsagt også slik at alle berørte aktører får uttrykke sine syn på dette. Det må vi gjøre når vi sender forskrifter på høring, og det vil vi også gjøre denne gangen.

bekrefta. Det viktige med grønt skatteskifte er nettopp eit skifte – auka skattar eller avgifter på den eine sida, men å gje tilbake med lettar på den andre sida, sånn at det vert lønsamt å ta grøne val, t.d. når det gjeld eingongsavgifter for bilar, som finansministeren sjølv refererte til, og som premierer null- og lågutsleppsbilar. Så spørsmålet til finansministeren kort og godt: Kva grep i tilrådingane frå Grøn skattekommisjon er det finansministeren utan vidare kan støtta, og kvar ser ministeren behov for å gjera ytterlegare forbetringar, sånn at det vert lettare for både bedrifter og folk å ta miljøvenlege val? Finansministeren skal sende den offentlige utredningen på før jeg har tenkt å ha veldig klare meninger om enkeltforslagene fra Grønn skattekommisjon. Men jeg har jo konstatert at det er mange som har hatt meninger om enkeltforslag som Grønn skattekommisjon presenterte. Store deler av miljøbevegelsen hadde innvendinger til enkeltelementer. De fleste partier på Stortinget har hatt synspunkter og innvendinger til enkelte av forslagene. Og det var i grunnen akkurat som jeg trodde da jeg så kommisjonens presentasjon, nemlig at mange kan være enig i den overordnede tilnærmingen om et grønt skifte, om prinsippet om at forurenser skal betale, men så fort man begynner å diskutere enkeltforslag, vil man ha litt ulik tilnærming til hvert enkelt av de konkrete forslagene. Når det gjelder avgiftslegging, f.eks. på bil, så er det mange hensyn å ta. Det er bruksavgifter, det er kjøpsavgifter, og det er kombinasjonen av disse som til syvende og sist, tenker jeg, blir utslagsgivende for om vi klarer å bli enige om et nytt system. Jeg syns det er mye kritikk mot finansministeren på avgiftssiden, så jeg har tenkt å ile til med litt støtte. Jeg vil bare si at jeg vil gratulere finansministeren med innføring av en flyseteavgift – det er bra for miljøet – og ønske finansministeren god jul.

Det er noe av det aller viktigste vi gjør. Gjennom den skatteomleggingen som regjeringen har foreslått for Stortinget, rydder vi samtidig opp i noen av skatteartene. Det er en naturlig del av en skattereform at man rydder opp i helheten. Det mener jeg vi har klart å gjøre på en god måte. Samtidig smører vi med betydelige lettelser både for næringsliv og for vanlige folk. Men god jul til representanten Serigstad Valen. Og i denne gemyttlige tonen kan vi avslutte replikkordskiftet.

de fire millionene av oss med minst formue, folk flest, en femmer om dagen. De tusen rikeste får 2 100 kr hver dag. Da VG skulle forsøke å illustrere forskjellen, klarte man knapt nok å bruke alle pengene på dagligvarer på én dag. For folk flest, derimot, veldig billig rundstykke, en kuvertpakning med smør og 40 øre til overs til nøtter, som det ikke engang var mulig å få veid, så man måtte bare få litt i hånda. Det lille som regjeringa gir folk flest av skattelette med den ene hånda, soper den rett inn igjen med den andre – og vel så det. Barnehageprisene er økt, og avgiftene på ren elektrisk kraft blir økt hvert år. De finner på stadig nye avgifter, sjøl om man ikke alltid er like dyktig til å sette dem ut i livet, jf. poseavgift. Pendlerne skal straffes. Pendling er en privatsak, mente Høyres representant, Svein Flåtten, da vi behandlet finansinnstillingen – en litt eiendommelig definisjon, spør du meg. At noen rett og slett må pendle for å ha arbeid har tydeligvis ikke gått inn der i gården. I finansdebatten hevdet jeg at regjeringa herser med folk i Distrikts-Norge. Nå vil jeg legge til: De herser med folk flest som møter på utfordringer. Folk som mister jobben, får en gedigen skatteskjerpelse på sluttvederlag. Og la meg igjen dvele litt ved nettopp det. Det er dårlig gjort, usosialt og ikke minst respektløst overfor partene i arbeidslivet som har tariffestet dette.

I replikkordskiftet stilte jeg Fremskrittspartiets representant, Roy Steffensen, flere spørsmål som mange nå er opptatt av. Jeg fikk ikke antydning til svar. Men skattlegging av avskjed med arbeidslivet er avbyråkratisering, sa representanten Steffensen. Det må virkelig være årets julegave. julegave. Når sluttvederlaget defineres som lønn, må jeg spørre igjen: Vil dette medføre avkortning i Nav-ytelser? For øvrig vil jeg si takk til Kristelig Folkeparti, som har meldt seg på i kampen for at så ikke skal skje – og jeg håper representanten Syversen har god prognose Hva med de flere hundre påbegynte sakene som er til behandling, eller saker der man har startet med informasjonsinnhenting? Vil man bli skattlagt når pengene kommer til utbetaling? Det tror jeg mange vil synes er interessant å få høre. Jeg håper at noen her i salen som har funnet på dette, og som synes skattlegging av folk i denne situasjonen er en god idé, bedre enn representanten Steffensen kan fortelle de har i vente. Eller er dette også en beskatning som ikke er gjennomtenkt – à la flyseteavgiften? Det går ofte fort i svingene, tydeligvis. På område etter område er det alminnelige folk som må betale når regjeringa skal kutte så voldsomt for de absolutt rikeste i samfunnet. Slik sørger de blå-blå for å øke forskjellene i landet vårt.

med denne fireårige prøveordningen, med en læringskurve som må være å betrakte som både bratt og brutal. Arbeiderpartiets talere, både Marthinsen og Hagebakken, taler

De ville måttet snakke om sin kreative bokføring for å skaffe 5 mrd. kr via finansskatt og skatter som ikke kommer inn i 2016. Så måtte de forklart velgerne hvilke av alle godsakene i deres budsjett på som skal tas bort. Da vil Tore Hagebakken og Marianne Marthinsen få en ganske betydelig jobb. Jeg har etterlyst det før fra denne talerstolen. Vi bør få vite det. Man kan ikke komme unna dette, først med kreativ bokføring, og så ikke ville snakke om sitt eget når en er i salen her. Vi er opptatt av at skattenivået skal ned, men på alle områder ‒ inntektsskatt, toppskatt, formuesskatt og ikke minst selskapsskatten, som har sammenheng med den alminnelige skattesatsen, som nå reduseres. For å prøve å være litt konstruktiv ‒ særlig overfor Arbeiderpartiet ‒ er jeg glad for at en reduksjon i selskapsskatten. Nå vet vi ikke hva Arbeiderpartiet vil mene siden, når vi kommer til skattereformen. Det vil være viktig. Flere har etterlyst dette i dag. Men det er viktig at regjeringen nå gjør dette, for det foregriper et av de viktigste forslagene i skattemeldingen, som skal behandles over nyttår, nemlig å få til en skatteomlegging for norske selskaper og norske bedrifter med dynamiske virkninger som kan øke produktiviteten, forbedre den økonomiske veksten og sørge for aktivitet, arbeid og omstillinger. Dette er et sterkt signal til norsk næringsliv og til det norske arbeidstilbudet, men også til utenlandsk kapital om at det kan planlegges investeringer i nye arbeidsplasser i trygg forvissning om et lavere og konkurransedyktig skattenivå. Men så må dette også følges opp. Det vil regjeringen gjøre med å utligne den forskjellen som er mellom norske og utenlandske investorer i beskatningen av kapital. Redusert selskapsskatt vil medføre at vi tiltrekker oss utenlandske bedrifter og utenlandske eiere som vil slippe å betale formuesskatt. Hva ønsker man da å gjøre? Representanten Marthinsen er veldig opptatt av forskjellen mellom beskatning av utenlandsk kapital og norsk kapital? Er ikke den minst like viktig? Jo, jeg tror det. Norsk kapital bør ikke starte med tillegg når det gjelder Det kommer til å foregå omstillinger. Det kommer til å foregå nye investeringer. Det blir bedriftsoppkjøp og nyetableringer. Da må norsk og utenlandsk kapital gis mest mulig like vilkår. Skattereformen gir mulighet til det. Jeg oppfatter at når man ser gjennom Arbeiderpartiets sterke retorikk her i dag, og når man leser deres alternative budsjett ‒ som man ikke hører noe om her, men som det går an å lese seg til ‒ vil også de redusere formueskatten. De vil gå ned med 20 pst. på aksjerabatten. Men det er rett og slett skattelettelser til dem som har mest fra før, for de eier norsk næringsliv. Arbeiderpartiet har laget en tabell som går bare til 3 mill. kr i inntekt, men det finnes mengder som har mye høyere inntekt og eier mange flere aksjer, dessverre, i store bedrifter, som sysselsetter veldig mange mennesker. Og til Arbeiderpartiet igjen: Min invitasjon er at når man egentlig er for å senke skatten på arbeidende kapital, som man er gjennom sitt forslag om aksjerabatt, synes jeg man skal sette seg ned, tenke seg om, lese regjeringens skattemelding og se på invitasjonen som ligger der til Stortinget om å se på arbeidende kapital. Vi snakker ikke om fordeling. Vi snakker om å skape nye arbeidsplasser og bruke den norske kapitalen som vi har, i konkurranse med den utenlandske. Selv om det tydeligvis er

eller at nivået er for høyt, risikerer vi at skatteinngangen faller – enten som en følge av at færre ønsker å investere i prosjekter, eller at lønnsomheten etter skatter og avgifter er så liten at bedrifter går over ende. Begge grunnene vil føre til tap av arbeidsplasser, som igjen vil gi mindre skatteinngang, lavere forbruk og derved også mindre avgiftsinntekter for å

og forbedre skatte- og avgiftssystemet. Spesielt er jeg glad for at vi prioriterer lettelser som gjør økonomien mer vekstkraftig, for å trygge grunnlaget for arbeidsplasser og velferd i framtiden. Forhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti førte til enkelte forandringer i avgiftene. For å si det mildt er jeg mer fornøyd med enkelte endringer i avgiftsregimet enn jeg er med andre. Selv om nivået på motorvognavgiften etter mitt syn er for høyt, er forandringene som blir gjort, til det bedre. Det er en start på en modernisering av systemet som vil holde seg over tid. Det er gledelig at vedtaket ser ut til å få bred oppslutning i Stortinget. I stort kan man si at dette systemet går fra å avgiftsbelegge det som man tror vil avgjøre hvilket utslipp man får, til å avgiftsbelegge det som faktisk kommer ut av eksosanlegget. Men dette fordrer at framtidige storting gjennomfører reformen helt ut.

Jeg håper for framtiden at Venstre og Kristelig Folkeparti blir enige seg imellom om hvem som skal ta æren for disse avgiftsøkningene. Det er i alle fall et faktum at Fremskrittspartiet ikke ønsket innføringen eller økningen av avgiftene, og gjør heller ikke krav på den. Det er ordtak som heter: Æres den som æres bør. Vi har hørt i debatten om skatter og avgifter at Fremskrittspartiet og regjeringen gir gedigne skatte- og avgiftsletter til innbyggerne framfor å bruke pengene på alle mulige gode formål. Det må i beste fall bero på en gedigen misforståelse. Fremskrittspartiet gir ikke fem øre i skattelette eller avgiftslette – vi tar bare ikke så mye penger fra skattebetalerne. Sosialistene tar det som en selvfølge at det er de offentliges penger, og at politikerne gir dem til skattebetalerne. Det er helt feil, det er ikke noe som heter offentlige penger. Selv om det ikke lyder så fint, er det vi som har tatt Så når vi senker skatter og avgifter, tar vi med andre ord ikke så mye penger fra folk. Skatt er

særlig i en tid som krever nye arbeidsplasser og trygghet for de jobbene som er. Overskriften i budsjettet er som kjent arbeid, aktivitet og omstilling. Med dette som utgangspunkt må også skattesystemet og ikke minst skattenivået være slik tilpasset at det ikke bryter med disse hovedlinjene. For en som har sin bakgrunn i privat sektor, må det være tillatt å ha fokus på nettopp denne sektors situasjon. Vi er helt avhengig av at det brede norske næringsliv har gode rammevilkår. Det er grunn til å minne om at de fleste norske bedrifter er små. Typisk er de mange familieeide, små virksomheter, gjerne med ti ansatte, lokalisert i Distrikts-Norge. Det er selvsagt også større bedrifter, som betyr mye i lokalsamfunn. Vi ønsker at alle disse bedriftene skal overleve og ikke minst kunne utvikles, slik at nye arbeidsplasser kan skapes. Men viktigst er kanskje at alle disse private bedriftene klarer å være konkurransedyktige og har rammebetingelser som bidrar til dette, og som verner om de arbeidsplassene som er. Skattepolitikken knyttet opp til disse virksomhetene og deres drift og eiere, er derfor helt avgjørende. At de ansatte har lønns- og arbeidsvilkår som er gode, vil da være en konsekvens av virksomhetens ve og vel. Forslaget om å redusere bedriftenes skatt, i denne omgang til 25 pst., er selvsagt velkomment. Det er flere grunner til det. Som begrunnelse for denne reduksjonen som nå foreslås, vises det ofte til at dette er av hensyn til landene som det er naturlig å sammenligne oss med, og, kanskje viktigst, at det vil føre til økte investeringer og dermed flere arbeidsplasser. En reduksjon i selskapsskatten vil dermed være vekstfremmende. Dette er det vel ganske bred enighet om. Imidlertid er mitt inntrykk at det å betale skatt av et overskudd og et positivt driftsresultat er det rimelig stor grad av forståelse for. Hvorvidt skattesatsen er 22 pst. eller 25 pst. i denne sammenheng, er kanskje ikke det aller viktigste, i alle fall ikke for den lille familiebedriften som uansett ikke har flytteplaner ut av landet – og heller ikke fra sin hjemkommune, for den saks skyld. Langt, langt viktigere er formuesbeskatningen knyttet opp til den samme virksomheten. Vitnesbyrdene fra utallige små og mellomstore privateide bedrifter er mange. Til det kanskje kjedsommelige har noen av oss i denne sal fremhevet formuesskattens uheldige og til dels ødeleggende virkninger. Når private eiere må betale skatt av bedriftens formue, en formue som er knyttet opp til bedriftens eiendeler, kan det få særdeles uheldige virkninger. Noen kan hevde at eierne bare kan ta ut utbytte for på den måten å betale sin skatt, og det gjøres, men det finnes mange virksomheter som enten går med underskudd, eller som ganske enkelt ikke har likviditet til uttak. Hva skal disse eierne gjøre? Selge bedriften – og vil det i så fall være noen som vil kjøpe den? Arbeiderpartiet skriver i sine merknader, under henvisning til en rapport fra Menon, at kutt i formuesskatten ikke har noen virkning på bedriftenes investeringer. Det er nå en påstand som virker merkelig, men om den var rett, ville formuesskatten ha den effekt at virksomheten ganske enkelt vil kunne opphøre hvis eierne ikke er i stand til å betjene en skatt med bakgrunn i bedriftens formuesverdi, hvor det altså ikke er For meg virker det som om merknadene fra Arbeiderpartiet er blitt til ut fra en teoretisk forestilling om hvordan norsk næringsliv ser ut, sett fra skrivebordet. I denne sak er det altså ikke foreslått noen ytterligere nedtrapping av formuesskatten, med unntak av en minimal justering av bunnfradraget. Det er grunner til dette, men det betyr ikke at de nevnte problemstillinger skal legges bort – tvert imot. I stortingsmeldingen om bedre skatt, som skal diskuteres og behandles til våren, er det et kapittel om målrettede lettelser for næringsrelatert kapital. Det fremgår at begrepet «arbeidende kapital» ikke har et innarbeidet og presist innhold, men at dette området må utredes nærmere. Det fremgår også at regjeringen i budsjettet for 2017 vil komme tilbake til en nærmere vurdering av målrettede lettelser for næringsrelatert kapital. Jeg oppfatter bl.a. merknadene fra Kristelig Folkeparti i denne sak vi nå behandler, i samme retning. Det heter at partiet «ønsker lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital investert i bedriftene». Langs disse linjene er det håp om et bredt flertall, som kan få gjort noe med de uheldige virkningene som formuesskatten har for norske private

Det betyr at det skal lønne seg å arbeide, og at den lønnen skal være anstendig. Det betyr også at det skal lønne seg å skape arbeid og verdier. Dette bør fellesskapet høste fra så skånsomt som mulig for ikke å ødelegge grunnlaget for framtidig vekst. Statsbudsjettet for 2016 er et budsjett der de store pengene brukes på å trygge folks jobb, øke aktiviteten og bidra til å ta Norge trygt gjennom omstillingen. Skatter og avgifter er mer enn bare en inntektsstrøm til staten. Utformingen av skatte- og avgiftssystemet påvirker hvordan samfunnet ser ut. Høye avgifter kan føre til ønskede endringer i forbruksmønster, som f.eks. når det gjelder forbruk av alkohol og tobakk. Men det fører også til at nordmenn årlig drar på hele 7,5 millioner dagsturer til Sverige for å handle. Handelen har konsekvenser i form av både tapte norske arbeidsplasser, reduserte avgiftsinntekter til staten og økte Mer av dette blir konsekvensen av Arbeiderpartiets økte avgifter på alkohol og tobakk – utilsiktet, men likevel en konsekvens. Så selv om alle partiene på Stortinget er for toll, skatter og avgifter, er det ikke helt uvesentlig hvordan disse er utformet. Vi burde tenke på samme måte som når vi høster av naturen – ta det vi trenger, noen ganger mindre, sjelden mer. Vi skal ikke drive rovdrift på dem som skaper verdier, selv når vi mener de tåler det. Det er kanskje her vi ser forskjellen på regjeringens og opposisjonens politikk. Høyre og Fremskrittspartiet tar ikke det at verdier skapes, for gitt. Ei heller ser vi på verdier som andre har skapt, som noe som tilhører oss bare fordi de er der. Eller som Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre sa da TV 2 spurte hvem som må betale mer formuesskatt med deres alternative budsjett: «Det er folk som kan klare å ta regningen.»

At bedriftseiere i oppgangstider har greid å ta regningen, betyr ikke at de klarer det i nedgangstider. Skal man se på en skatts virkninger, må man også vurdere virkninger i økonomisk vanskeligere tider. Om det ikke er vekstfremmende å fjerne den, kan det være veksthemmende å beholde den – men alt for å kunne tviholde på retorikken om skattelette til de rike. Hvis det var lettvint retorikk vi skulle leve av i framtiden, ville vi gått en lys framtid i møte. I 2013 betalte de 10 pst. rikeste i Norge 38,7 pst. av all personskatt. Hadde vi kuttet formuesskatten i 2013, ville de 10 pst. rikeste betalt 38 pst. av all personskatt. Tilhengerne av den særnorske formuesskatten tar fra investorer, bedriftseiere og gründere som beviselig har skapt verdier og arbeidsplasser, for å bruke dette til egne nye akseleratorprogrammer, regionale utviklingsmidler og reiselivsprogrammer. Dette er å svekke bedrifter som i utgangspunktet er bærekraftige, for selv å framstå som handlekraftig. Det mener jeg er en ganske arrogant form for omfordeling. Fra en skatt vi åpenbart ikke klarer å fjerne, til en skatt vi har tenkt å innføre: Etter de gledelige resultatene i Paris i helgen føles det litt smått å snakke om klimaavgift for passasjerer. Men en klimaavgift for å fly kan føre til at bedrifter og forretningsreisende, som står for hoveddelen av innenlandstrafikken, heller velger å gjennomføre møter gratis via Skype. Jeg er for at forurenseren skal betale – et prinsipp jeg lærte meg i Fremskrittspartiets Ungdom, og som det overrasker meg at ikke det partiet klemmer litt nærmere og mener at vi skal legge positive incentiver for det grønne skiftet, men at økte kostnader faktisk også er et incentiv til omstilling. Men jeg merker meg at Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener at folk skal fly like mye som før, for å sikre distriktsarbeidsplasser foran klima. Det er mange som snakker om fordeling når vi snakker om skatt, men det er ikke mulig å fordele oss til velferd. Verdiene må skapes før de kan fordeles, og vi bekjemper ikke fattigdom gjennom å bekjempe rikdom. Til det trenger vi en god skole, et konkurransedyktig arbeidsmarked, et skapende næringsliv – og det får vi om vi forvalter kunnskap og ressurser riktig, slik at disse bidrar til nettopp arbeid, aktivitet og omstilling.

Selv om statsministeren lovet før valget at det skulle være moderasjon i bruk av oljepenger, er altså mer bruk av oljepenger svaret hver gang regjeringa har en utfordring – ja, i så stor grad at til og med den konservative høyreorienterte pressen kommenterer det på den måten. Når vi ser på den økonomiske modellen, er det tydelig at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag, ut fra tenkningen om å ta fra dem som har lite, og gi til dem som har mye. Uansett besvergelsene om formuesskatt er det en realitet at det blir gitt store skatteletter til dem som har mye fra før. Det finnes ikke dekning for det i noe fagmiljø. Til og med regjeringas egen Menon-rapport er tydelig på at det er kanskje noe av det minst effektive en kan gjøre hvis en er opptatt av næringslivet og næringslivets beskatning, som vi også er opptatt av. Da er formuesskatt lite treffsikkert. I Scheel-utvalget er det en tydelig anbefaling heller å lette skatten på kilde og i et nullsumspill heller øke skatten på residensbeskatninga. Når det gjelder effektene som handler om å ha mindre utjamning i samfunnet, er det noe OECD advarer oss mot fordi det fører til en lite effektiv økonomi, men allikevel går altså regjeringa i den retning. På toppen av det har regjeringa fram til nå tatt nesten 2 mrd. kr rett ut av lomma på de arbeidsledige. De skal betale. Hvert år skal de betale for å bidra mer til fellesskapet fordi noen andre skal bidra mindre. Skattlegginga av deler av kjøregodtgjørelsen er en nyskapning som er kommet til nå i år. Selvfølgelig blir det mer byråkrati hvis en skal ha skattlegging av deler av kjøregodtgjørelsen, men det er en gruppe som det etter regjeringas definisjon er riktig å ta. Ikke minst økt skatt på pendling. Jeg hørte under finansdebatten at noen her påsto at det var en miljøavgift. Det må bygge på en misforståelse. For det høres ut som om noen argumenterer med at det fradraget bare var for folk som kjører bil – og helst dieselbil. Men det er jo ikke det. Pendlerfradraget i dag er knyttet til 1,50 kr per km – om en kjører trikk eller tog eller buss eller hva en kjører. Det er rett og slett en skatt på arbeid. Det er å vri skatten fra grønn beskatning til beskatning på arbeid å øke skatten for pendlerne. 475 mill. kr skal regjeringa ta inn på skatt på arbeid. Ikke minst i dag som mange er i den situasjon at de må søke seg ny jobb, kanskje et annet sted enn der de bor fordi de har mistet jobben, undergraver det også arbeidsministerens uttalte ønske om større mobilitet i samfunnet. Så til sluttvederlagsordningen. 60 mill. kr skal det tas der, funnet på en eller annen sen natt i noen budsjettbehandlinger, en vel etablert ordning som er understreket i et annet angrep på et kjernepunkt i den norske modellen, nemlig at dette er en trepartssak. Det har i mange år vært en forståelse mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten om at med dette kan vi, i fellesskap – ved at arbeidsgiver betaler, at dette er avtalt, og at det er skattefritt – bidra til å hjelpe Bedrifts-Norge når de er i omstilling. Men det skal altså tas. Det er et angrep også på trepartssamarbeidet, som er en annen viktig del av den norske modellen. Det er noen få som tjener på regjeringsskiftet. Det er mange som taper på regjeringsskiftet. Den norske modellen er ikke lenger bare under press. Den er under direkte angrep.
neste torsdag er det

nå skal skje, eller mener man at det er feil at man innfører tiltak som man selv har skrevet i nasjonalbudsjettet ikke har klimaeffekt? I nasjonalbudsjettet står det at «ekstratiltak i Norge for kvotepliktig luftfart vil ikke bidra til å redusere de samlede utslippene fra luftfart i EØS-området» – på grunn av at det er en del av kvotepliktig sektor. Mener man det fortsatt? Hvis man mener det fortsatt, fortsatt? Hvis man mener det fortsatt, er det forunderlig at representant etter representant for regjeringspartiene argumenterer for denne nye avgiften som om det er et miljøtiltak. Da må i hvert fall finansministeren tørre å si det, og at det de skrev i nasjonalbudsjettet, ikke er riktig – det er et klimatiltak å gjøre det på den måten, og det er klokt å innføre en avgift en sen nattetime som man ikke har utredet konsekvensene av. av. Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som er i salen, har full mulighet til å ta ordet og si at det er godt for norsk samferdselssektor at man nå innfører den type avgifter i en håndvending, uten å ha det utredet. Så har da heldigvis de fire forlikspartene klart å komme til to slike nødparagrafer, §§ 3 og 4, i dette avgiftsvedtaket, der det står

sitte stille, si minst mulig og håpe at minst mulig ansvar blir plassert der det hører hjemme, nettopp hos samferdselsministeren og finansministeren, som sitter og velsigner at den type avgiftsvedtak kommer igjennom i Stortinget, som vi vet har store negative effekter for samferdselssektoren, men som regjeringen selv sier ikke har noen effekt på CO2-utslippene samlet? Og så sier Heidi Nordby Lunde at det er litt smått å bekymre seg om tusen arbeidsplasser. Selvfølgelig er det ikke smått; det er kjempeviktig med de tusen arbeidsplassene for de familiene det gjelder. Og det er kjempeviktig for Haugesund at det er en velfungerende luftfart der, det er kjempeviktig for Nord-Norge at det er en velfungerende luftfart der – det er kjempeviktig for Norge, utenom Oslo sentrum, at vi har en velfungerende luftfartssektor. Da kan vi ikke bare innføre avgifter uten å utrede konsekvensene. Det er ikke ansvarlig politikk, og det er ikke ansvarlig overfor dem som har investert stor kapital i norsk luftfart.

Når det er 1 000 mennesker som står i fare for å miste jobben på Moss Lufthavn Rygge, og det i dag har vært møte mellom flyplassledelsen og de ansatte for å snakke om situasjonen, blir jeg provosert når finanskomiteens leder nærmest framstiller det som at de får riste det av seg og gå videre. For dette er realitetene – realitetene er at Moss Lufthavn Rygge kan bli lagt ned, og at arbeidsplassene forsvinner. Også i Vestfold er en svært en er bekymret for hva som vil skje med flyplassen i Vestfold hvis Moss Lufthavn Rygge må legges ned, og en må overta regningen som kommer fra Avinor. Det har vært litt underlig å høre på representanten Roy Steffensen først skylde på og si at nå ligger denne ballen hos statsråden. Det er ikke sant, vi skal stemme over dette i dag, så Ulf Leirstein og andre som representerer fylkene som kan bli rammet, har mulighet til å stemme imot. Det er underlig når finansministeren velter dette tilbake og sier at hun forholder seg til vedtaket som er fattet. Jeg tror at en både i Vestfold og i Østfold ser at på den vakten en har en finansminister fra Fremskrittspartiet og en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet, kan de to største private lufthavnene i Norge stå i fare for å bli lagt ned. Så til vedtaket og sikkerhetsventilen en har lagt inn, og som jeg på det sterkeste vil oppfordre til å bruke. Men det er jo litt mystisk – hva var det som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble gjort? Var det i det hele tatt noe som var overveid? Og hva er den utilsiktede virkningen, når en har fire partnere som ikke er enige om hva den tilsiktede virkningen av avgiften er? Resultatet er i alle fall at mange familier går inn i julen med usikkerhet om hva som vil skje med deres arbeidsplass. Det nytter ikke å snakke om å skape arbeidsplasser hvis en ikke er i stand til å ta vare på de arbeidsplassene en har, arbeidsplassene en har, og en setter symbolpolitikk og budsjettbalanse framfor hensynet til skikkelige arbeidsfolk. Det burde en ikke gjøre, og det er på tide å dra i nødbremsen og stoppe dette vedtaket – for skal en sende en regning på nærmere 2 mrd. kr til noen, bør en først vite hva en gjør.

Flåttens egen regjering innfører denne fra 2017. Vi foreslår, som Kristelig Folkeparti, å innføre den fra 1. juli 2016. Dette er en ordning som er grundig utredet, dette er mulig å få til. Vi støtter også regjeringas innstramninger i rentebegrensningsregelen, vi har et tillegg som inkluderer eksterne renter. Vi bruker Finansdepartementets, altså representanten Flåttens eget finansdepartement, forsiktige anslag for hva dette vil kunne føre til. Jeg forstår veldig godt at representanten Flåtten ikke har tillit til Finansdepartementets beregninger. Han husker kanskje poseavgiften fra i fjor, med det vedtatte anslaget som det ikke ble noe av. Representanten Flåtten avsluttet med en slags invitasjon. invitasjon. Arbeiderpartiet har vært tydelig i alle sine innlegg på at vi skal delta, og vi skal være med og diskutere et skatteforlik. Jeg må si jeg er spent på hvordan Høyre og Fremskrittspartiet skal lede denne prosessen, hvordan de skal ta ansvar. Vi i Arbeiderpartiet venter, men det er uansett at Arbeiderpartiet vil ha – og har – større ambisjoner for fellesskapet enn Høyre tidligere har hatt, og det kommer vi heller aldri til å ville forhandle bort. Innlegget til representanten Flåtten viser også den teoretiske tilnærminga regjeringa har til de store utfordringene vi står overfor. Vi ser nå den høyeste ledigheten på 22 år. Regjeringa legger fram et budsjett med rekordhøy oljepengebruk. Skattekutt er da ikke svaret til de 127 000 som nå er arbeidsledige, når samtlige økonomer, samtlige rapporter, uansett hvor teoretiske representanten fra regjeringspartiene mener de er, sier at dette er tiltak som ikke virker. Men det er regjeringas største tiltak. Jeg er helt enig med finansministeren når hun sier at det viktigste vi nå gjør, er å skape flere arbeidsplasser. En skulle da kanskje tro at regjeringa la fram et budsjett som nettopp bidro til å skape flere arbeidsplasser, som ikke bare stilte seg i rekken av den teoretiske argumentasjonen der en legger fram forslag som ikke svarer på de viktige, store utfordringene som Norge nå står

presenterer. Når jeg først er inne på Senterpartiet, har de også foreslått å fjerne taxfree-ordningen. Hva vil det bety for flyplassavgiftene hvis det nå skal kompenseres for det bortfallet en vil få av inntektene fra taxfree? Hvor er da hensynet til arbeidsplasser, som Senterpartiet snakker så varmt for? Jeg har lyst til å minne om at de endringene regjeringen Bondevik gjorde tidlig på med å frigjøre for konkurranse i luften, har ført til at vi har et helt annet prisbilde i dag enn vi har hatt tidligere. Det er klart at denne passasjeravgiften på 80 kr per reisende er relativt liten når en ser prisbildet i forhold til det det koster å fly. Igjen tilbake til næringslivet: Når en ser på hvilke skatte- og Igjen tilbake til næringslivet: Når en ser på hvilke skatte- og avgiftslettelser vi gir næringslivet, vil de kunne betale disse 80 kr for ganske mange av sine medarbeidere uten at det er av stor betydning for den enkelte bedrift. Det er klart at Rygge er i en spesiell situasjon på grunn av den avhengigheten de har til ett spesielt selskap. Det er en utfordring. utfordring. Jeg skal være den første til å håpe at de klarer å finne erstatninger som gjør at de kan fortsette å drive aktivitet på Rygge og ta vare på arbeidsplassene der. Men dette må ses i en større sammenheng. Det må ses i sammenheng med et grønt skifte, hvor vi ønsker at forurenser i større grad skal ta ansvar for de klimautslippene en påfører. Til slutt har jeg lyst til å minne Dag Terje Andersen som var inne på denne Menon-rapporten om formuesskatt, at Arbeiderpartiet selv i sitt motsvar til regjeringens skattemelding skriver at de også ser at kapitalmarkedene ikke er perfekte. Det betyr at som i grunnlaget for Menon-rapporten tar Arbeiderpartiet også inn over seg at kapitalmarkedene ikke er perfekte, og at det å ha privat kapital tilgjengelig, ikke minst i Distrikts-Norge, for bedrifter og arbeidsplasser, er viktig. Der vil også det å få redusert formuesskatten være et viktig bidrag. Det er underlig å høre hvordan regjeringspartiene snakker om hvor mye de har gjort for å få flyprisene billigere, og hvor viktig det nå er å gjøre dyrere. Jeg tror det har svært liten tillit når en nærmest antyder at Senterpartiet står for en politikk som gjør at norske distrikt mister sitt tilbud. Det tror jeg har svært liten betydning. En eventuell endring av taxfree-ordningen vil måtte bety en annen budsjettpolitikk overfor flyplassene vi har. Jeg synes samtidig at en ikke tar inn over seg alvoret i saken i stor nok grad. Jeg synes ikke de som nå er redde for å miste jobben sin, enten det er på Rygge eller – mer usikkert – på Torp, får den respekten som de fortjener. Regjeringspartiene burde si: Vi hadde noe som var viktigere. Vi hadde noe som vi ønsket å prioritere høyere. skal ikke jeg spekulere i om det var tiltak for svømming i barnehagene eller andre tiltak, men realiteten er at det kommer en avgift som truer arbeidsplasser. Det burde en ta ansvar for. En kan ikke i fullt alvor kalle en avgift som er like høy mellom Bodø og Stokmarknes som mellom Oslo og Bangkok, for en miljøavgift som forurenseren betaler. Ja, da hadde en tatt seg tid til å utrede avgift som traff, en avgift som gjorde at vi kanskje fikk noen færre tomme seter mellom de store byene våre der den store trafikken er, som kanskje la noen større begrensninger på den delen av flytrafikken som er ute av det europeiske kvotesystemet. Da ville en snakke om politikk som hadde effekt. Dette handler om å skaffe penger en sen natt for å få budsjettet til å henge sammen. Så til Rygge og Torp og det tilbudet som Widerøe har på Torp. Det er ikke bare sånn at en har fått denne flyseteavgiften. En har også fått økte avgifter fra Avinor, og en har fått høyere moms. Det blir byrde på byrde, og dette velger regjeringen å gjøre i en tid hvor flymarkedet er fallende. Hadde det vært sterkt stigende kunne en på sett og vis forstått det og i beste fall akseptert det, men dette skjer i et fallende marked. Det er svært, svært kritikkverdig. Jeg skulle ønsket at regjeringspartiene faktisk forstod at dette handler om ekte mennesker, som har en ekte jobb som de går til, og som de nå står i fare for å miste. Da tror jeg at sjansen for at vi hadde fått noen skikkelige svar, hadde vært betydelig større. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

å sitte her og se på at samferdselsministeren er mer opptatt av å sende tekstmeldinger og riste på hodet enn å delta i debatten når en av Norges viktigste flyplasser kan legges ned på grunn av en politikk Fremskrittspartiet og regjeringen nå velsigner, og det er helt greit for partiets leder at i et av Fremskrittspartiets tidligere viktige fylker kan 1 000 arbeidsplasser forsvinne, og man tør ikke gi uttrykk for at man kan vurdere om avgiften er feil. Jeg har en siste oppfordring til samferdselsministeren: Delta i debatten og forsvar det man nå gjør, ellers må man heller ta til orde for at dette bør endres. Jeg tror det er flertall for å endre det på Stortinget hvis samferdselsministeren og finansministeren ønsker det.

enten det er vår regjering som sitter der, eller om det er representanten Tvedt Solbergs parti som sitter der. Av den grunn svarte også og skrev Stoltenberg-regjeringen i 2013, da de foreslo en rentebegrensningsregel, at det var ikke noe proveny i det påfølgende år. Vi mener av og til forskjellig her i salen det norske Finansdepartementet er helt bestandige: De mener det som antakelig er riktig hver eneste gang. Derfor er det nok dessverre slik – og jeg skal ikke gjenta uttrykket «luftpenger» om Arbeiderpartiet – at jeg bare vil si at de er litt luftige, og at det trengs en revisjon. Revisor er egentlig Finansdepartementet, som har svart på hvordan effekten er både bokført og påløpt. Det har de gjort når det gjelder rentebegrensningen. Det har de også gjort når det gjelder merverdiavgift på finanstjenester. Så jeg tror det bare er å strekke hendene i været og si at man ble litt for ivrig med å prioritere utgiftssiden da man lagde sitt alternative budsjett og begynte å lete etter inntekter som det viste seg at dessverre ikke var der. Jeg skal bare kort kommentere utfordringen til samferdselsministeren. Jeg er

der oljepengebruken for første gang overgår netto kontantstrøm fra oljen, og der det innføres skatt på sluttvederlag, mens tusenvis har mistet jobben, spesielt på Vestlandet. En skulle tro at debatten da kunne reflektere dette litt mer enn den har gjort i dag. Miljøavgifter kommer til å ha effekt. Det er en bra ting, det er derfor man innfører miljøavgifter. Det som avgjør om vi får skaffet mennesker arbeid i framtidas mer klimavennlige Norge, Norge, er om vi fører en politikk som stimulerer til mer miljøvennlig produksjon, ny industri, nye ting vi kan eksportere, osv. Der har jeg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sannsynligvis helt ulike oppskrifter, men jeg vil fra SVs side ønske ham lykke til med gjennomføringen av en sånn avgift. Jeg synes ikke det lover bra for et eventuelt nytt stortingsflertall i 2017 at man over tid så ensidig i både denne debatten og den forrige prøver å skape usikkerhet rundt en avgift som et flertall av partiene på Stortinget, uavhengig av blokk, egentlig er for. Jeg skulle egentlig ønske jeg ikke var nødt til å holde dette innlegget, men nå synes jeg kanskje det holder med flypassasjeravgift i denne debatten. Hvis en miljøavgift ikke har effekt, bør den heller ikke innføres. Men vi skal innføre mange miljøavgifter i framtida, det snakker alle partiene om. Da må vi sørge for å kompensere for de miljøavgiftene ved å gi skattekutt på vanlige inntekter. Vi må sørge for å gi bedre mulighet for investeringer i nye arbeidsplasser og i ny industri. Å lene seg tilbake, sitte ned og si ingen ny avgift noe sted gir sikkert noen raske poenger her på talerstolen, men det gir ikke noe grønt skifte i Norge.

hvor det oftere er dyrere å ta flybussen til flyplassen enn det er å reise utenlands med selskapet. Og det er nesten ikke mulig å subsidiere dem mer for at man skal kunne reise mer. Er man opptatt av klima, mener jeg at det vi gjør når det gjelder flypassasjeravgiften, er en riktig retning å gå i. Det er en

landet. Derfor engasjerer vi oss når Østfold står i fare for å miste 1 000 arbeidsplasser, fordi vi mener at verdiskaping i hele landet inkluderer også Østlandet – la det være tindrende klart – og denne avgiften har ingen miljøbegrunnelse som kan forsvare å innføre den. Men hvis noen vil utrede – på skikkelig vis – en avgift,

effekten ulike miljøtiltak har på arbeidsplasser, bør en helst anvende det prinsippet jevnt over. Jeg vet at mange i Senterpartiet er tilhenger av en ny utredning av lyntog. Skulle vi bygd lyntog, hva vil da skje med mange av arbeidsplassene på flyplassene? Om vi øker CO2-avgiften på luftfart, som jeg vet at mange i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er for, hva vil da skje med mange av arbeidsplassene i flybransjen? Om vi gjør som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt til orde for og avskaffer taxfree, hva kommer til å skje med mange av arbeidsplassene på flyplassene da? Jeg sier ikke at det er galt å kritisere at enkeltvedtak regjeringen gjør, fører til tap av arbeidsplasser. Men det er veldig lite konsekvens i kritikken som kommer mot regjeringen, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det skader Stortingets mulighet på sikt, med et nytt flertall, for å gjennomføre god miljøpolitikk. Da får heller Senterpartiet komme med gode alternativer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

i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og utløser en egen merknad med påstand om at reformen utløser store administrative ressurser. Det er det litt vanskelig å forstå med bakgrunn i de budsjettjusteringene som her er foreslått. Regjeringa er også opptatt av å få etablert en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen, og hadde satt av 40 mill. kr til det i budsjettet for 2015. Det er etablert et eget sekretariat for å utrede konsept og lokalisering. lokalisering. Framdriften i arbeidet gjør at det ikke er behov for mer enn ca. 1,5 mill. kr av disse midlene i 2015. Det er verdt å merke seg at det da er satt av 41,1 mill. kr til dette formålet i 2016-budsjettet. Som en konsekvens av budsjettet for 2015 har Samferdselsdepartementet hatt flere møter med styringsgruppen for Leirin for å vurdere framdriften og potensialet for Fagernes lufthavn, når kontrakten om statlig kjøp av flyruten Fagernes–Oslo utgår 31. mars 2016. Det er viktig at det kommer på plass en driftsform som ivaretar chartertrafikken og kan bidra til fortsatt positiv utvikling for reiselivsnæringen i regionen. Etter min oppfatning er det kommet fram til en god løsning som både ivaretar behovet for en overgangsordning og legger opp til ny drift med lokale eiere innenfor en rimelig tidsramme. Jeg er overbevist om at dette vil bli en god løsning for regionen og Fagernes lufthavn, Leirin. For programkategori 21.30 Vegformål er det gjort en rekke omdisponeringer for å finansiere tiltak som har vært nødvendig å gjennomføre i 2015. Jeg skal ikke gå inn på de enkelte beløpene, men er fornøyd med at det er satt av midler til å utbedre skader på riksveinettet etter uværet Petra, jordras på E6 Sørkjosen i Troms, brannen i Gudvangatunnelen og erstatning til privatpersoner i forbindelse med et kvikkleireskred i Nord-Trøndelag i 2009. Videre er det foreslått å øke rammen for å forplikte staten utover budsjettåret for både større investeringer i riksveinettet og kjøp av fergetjenester. Dette er omhandlet i En samlet komité er bekymret for kostnadsutviklingen innen kjøp av fergetjenester på både riks- og fylkesvei. Det er betryggende at regjeringa har fokus på både konkurransesituasjonen og kostnadsutviklingen, og slik sett allerede er godt i gang med å kartlegge årsakene og identifisere mulige tiltak. Det er også grunn til å merke seg at for alternativ bruk av fergetilskudd fra 30 til 40 år også på riksveisamband. I programkategori 21.50 Jernbaneformål viste det seg at noen av investeringsprosjektene viser et mindreforbruk sammenliknet med budsjettet for 2015. Det er viktig at prosjektene holder Når det av forskjellige grunner er et avvik mot slutten av året, er jeg fornøyd med at departementet prioriterer nødvendig vedlikehold og fornyelse og slik sett bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbane ytterligere. En budsjettsaldering mot slutten av året inneholder mange små og litt større poster. Jeg prøvde å oppsummere noen av hovedlinjene. I tillegg vil jeg nevne at etterregningsmodellen gjør at Posten Norge AS skal refundere 39,9 mill. kr i 2015, og at det blir gjort en del omposteringer til drift, investering og refusjoner vedrørende Nødnett basert på endringer i betalingsmilepæler og endret framdrift. For å oppsummere er dette en budsjettsaldering som sikrer en god anvendelse av bevilgede midler for 2015.

Arbeiderpartiet er uenig i det stortingsflertallet har vedtatt. Det er ingen godt bevart hemmelighet at Arbeiderpartiet i stedet for full konkurranseutsetting og privatisering ønsker å bruke ressurser på å bedre jernbanens infrastruktur sånn at vi oppnår en moderne jernbane rustet for framtiden uten å byråkratisere systemet, slik For nøyaktig ett år siden behandlet Stortinget regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Der fremmet Arbeiderpartiet og Senterpartiet et forslag i Innst. 13 S for 2014–2015 om å videreføre flyruten Fagernes–Oslo og videre et forslag om at Fagernes lufthavn, Leirin skulle videreføres som en statlig eid flyplass med driftsansvar tillagt Avinor. Dessverre ble begge forslagene nedstemt av stortingsflertallet. Vi ser at stortingsflertallet nå har gitt sin tilslutning til at rutetrafikken på Fagernes lufthavn, Leirin skal opphøre fra 31. mars 2016, og at det ikke er kommet fram til noen ny driftsform for flyplassen. Dette er kritisk. For reiselivsnæringen i Valdres og Hallingdal, med tilhørende chartertrafikk, er det svært viktig å Det er åpenbart at regjeringen ikke ønsker at Avinor skal drive Fagernes lufthavn, Leirin etter 1. januar 2019. Regjeringspartiene har dermed skapt stor usikkerhet for framtiden til flyplassen, akkurat slik Arbeiderpartiet advarte mot i denne salen for nøyaktig ett år siden. Vi fremmer derfor et forslag om videreføring av Fagernes lufthavn, Leirin som statlig eid flyplass med driftsansvar tillagt Avinor inntil et nytt driftskonsept som har tilslutning fra lokale myndigheter, er etablert. Videre merker Arbeiderpartiet seg i denne proposisjonen at det er ventet driftskostnader i 2015 for utbyggingsselskapet for vei på om lag 60 mill. kr. Dette beløpet er høyt da selskapet ennå er i etableringsfasen og ennå ikke har bygd en eneste meter vei. For oss er det en forutsetning at den foreslåtte omdisponeringen fra kap.1320 post 23 Drift og vedlikehold og over til veiselskapet på 60 mill. kr ikke må få konsekvenser for planlagte tiltak i inneværende år. Helt til slutt vil jeg understreke vår sterke bekymring for kostnadsutviklingen på riksveiferjene. Det er avgjørende at departementet følger opp problemstillingen og kommer tilbake til Stortinget med forslag til konkrete tiltak for å redusere kostnadsveksten. Den samme problemstillingen gjelder også for fylkesveiferjene. Regjeringen er nødt til å se problemstillingen for riksveiferjer og fylkesveiferjer i sammenheng og invitere fylkeskommunene med i det videre arbeidet. Det er også viktig at departementet sikrer at det er satt av god nok tid i prosessen med inngåelsen av nye kontrakter for ferjesambandene. Flere kontrakter ble inngått i 2015, og de viser seg å være vesentlig dyrere enn medregnet, bl.a. fordi det var for kort tid mellom utlysning av kontrakten og driftsstart. Dette medførte få anbydere, liten konkurranse og høy pris, altså forhold en bedre prosess ville motvirket, og også forhold departementet delvis har ansvaret for. Det er uheldig. Jeg tar herved opp forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Innst. 132 S og ber om alternativ votering mellom forslaget og forslaget til vedtak IV. Representanten Karianne O. Tung har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Jeg vil også legge til at om det ikke hadde vært for samferdselsminister Navarsete, hadde heller ikke E16 fått de utbyggingene som er i gang over Filefjell, og planene som er lagt inn i Nasjonal transportplan. Jeg forventer faktisk at utbyggingen av den mest vintersikre veien til Bergen fortsetter, uansett valg av stamveialternativ framover. Men Samferdselsdepartementet har i salderinga av 2015-budsjettet skissert et opplegg der det statlige engasjementet for drift av Fagernes lufthavn foreslås trappet ned og avviklet i løpet av 2018, uten at det er lagt til rette for nødvendige tiltak som sikrer chartertrafikken. Fra Valdres er det påpekt at rapporten fra Avinor om drift av charterflyplass var lite gjennomarbeidet, og preget av synsing. Nå opplever Valdres at Avinor legger opp til å si opp de ansatte, og at flyplassen skal stenge allerede fra l. april 2016 – altså om få måneder. Man skal så ansette og autorisere nytt personell før neste vintersesong når chartertrafikken kommer. Imens skal «løvetannen gro». Man kan ikke legge ned en flyplass og åpne den igjen hvert halvår. Vi vet at både kompetanse og tekniske innretninger er det nødvendig å holde vedlike. Dette burde regjeringa ha avklart med de lokale representantene før dette vedtaket blir iverksatt. Jeg kan ikke se annet enn at dette bryter med de klare intensjonene som Stortinget ga uttrykk for i fjor høst – og at dette svekker ønsket om å sikre chartertrafikken med statlig bistand, noe som heller ikke burde utelukket charterflyvninger sommerstid. Jeg minner om merknadene som Senterpartiet i fellesskap med Arbeiderpartiet har hatt i denne saken, hvor det ligger et politisk opplegg som ville gitt bedre framtidsmuligheter for flyplassen på Jeg er kritisk til grepet som flertallet nå går for, og mener det ville gitt større trygghet for Leirin framover om Avinor, i stedet for å stenge i sommerhalvåret, kunne drive med redusert bemanning for å beholde grunnkompetanse og betjene annen flyvning. Jeg merker meg at det har kommet krav fra Valdres og Oppland om at Stortinget burde utsette det grepet som nå foreslås, i påvente av bedre dialog med de lokale og regionale aktørene – uten at dette synes å gjøre særlig inntrykk på flertallet i denne salen.

så god som mulig. Jeg er helt enig med dem som tar opp ferjesituasjonen og kostnadsutviklingen som har vært der. Det er dog litt rart at Arbeiderpartiet gir inntrykk av at det er sene kontraktsinngåelser som nærmest er hovedgrunnen til at kostnadene går i været. Det vitner om en litt svartmalende tilnærming og lite realisme i forhold til hva som faktisk skjer. Det er også litt rart hvis en gir inntrykk av at det er veldig mange ferjeselskap i Norge, men at knapt noen av dem ønsker å by på kontraktene. Faktum er at det bare er ca. tre ferjeselskap som kan by. Dermed kan en ikke forvente at det er mange titalls selskap som stiller opp. Regjeringen har grepet fatt i den utviklingen som har vært. Vi er ikke bekvemme med at kostnadene går i været slik som de gjør – noe som ikke skyldes tiden for kontraktsinngåelse, men rett og slett et presset marked,

verftene. Det er litt rart å få den kritikken fra Arbeiderpartiet, som bare for en uke siden hadde lyst til å begynne å kansellere allerede inngåtte kontrakter om å bygge nye ferjer. Da snakker en om hastverksarbeid og å bruke penger unødvendig. Vi finansierer de reformene som er igangsatt. Det er reformer som vil gi som resultat at en kutter kostnader og får bygd vei og jernbane raskere. Vi ser allerede resultat av de grepene som regjeringen og stortingsflertallet har gjort. med det som skjer. Det er altså feil når Arbeiderpartiet sier at dette som skjer, er en privatisering. Men vi får samlet ansvaret på en bedre måte. Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet ville gå inn i jernbanereformen og lese hva vi faktisk foreslo, istedenfor å diskutere en reform som ingen i Stortinget har foreslått. I veiselskapet er det altså full framdrift på alle de veiprosjektene som skulle igangsettes. I tillegg får vi gjennomført reformen. Når Arbeiderpartiet gir inntrykk av at det er ting som forsakes her, er det faktisk ikke riktig. Innenfor luftfart skjer det også positive ting. Vi gir Avinor Flysikring AS fullmakt til å kunne konkurrere om oppdrag i utlandet. Det vil gjøre at de kan bruke sin kompetanse og sine flyveledere på en bedre måte, og skape inntekter og kunnskapsutvikling som vil styrke selskapet. Jeg er litt overrasket over å høre den debatten som nå drar seg opp når det gjelder flyplassen på Leirin. For kort tid siden var min statssekretær Aarset på Leirin og berettet om hvilke planer regjeringen hadde med tanke på den flyplassen. Lokalt Det er da litt rart når enkelte stortingsrepresentanter for de rød-grønne partiene her prøver å gi inntrykk av at alt er svart og grusomt når de aktørene som faktisk har jobbet med dette, sier at dette gir oss et godt grunnlag nettopp for å utvikle charterturisme i dette området. Det var jo også en del av den debatten vi hadde i fjor, nettopp for å utvikle charterturisme i dette området. Det var jo også en del av den debatten vi hadde i fjor, hvordan vi skal sørge for at vi får brukt denne flyplassen til det formålet som en nå lokalt mener en har en sjanse til å gjøre noe med, nemlig å utvikle charterturisme. Da sa en lokalt at det var rett rundt hjørnet. Vi gir en tre år til å fullføre dette, og så ser vi på veien videre. Men det er litt rart at Arbeiderpartiet mener at en skal opprettholde fordi en også hadde visjoner om å ha chartertrafikk der. Det er ikke god økonomi. Ikke at det overrasker meg at ikke Arbeiderpartiet forstår det, men det er faktisk misbruk av skattebetalernes penger. Derimot er det veldig målrettet det som flertallet nå istedenfor gjør, nemlig å gi lokale reiselivsaktører muligheten til å utvikle et chartertilbud som skal «serve» regionen, uten at vi trenger å bruke penger på å holde en flyplass åpen når det ikke er passasjerer der. Det er meningsløs bruk av skattebetalernes penger. Men jeg er glad for at stortingsflertallet gir oss støtte til den strategien vi har, innenfor både vei, jernbane og luftfart, som vi her har diskutert. Jeg ser fram til å vise resultatene fortløpende. Det blir replikkordskifte. Som det er

Det er vel og bra. Men Oppland og Buskerud fylkeskommuner sier at flyplassen ikke er oppgradert til å kunne ta ned fulle fly. Dette har ført til et tap som er kostnadsberegnet til nesten 6 mill. kr bare kommende vintersesong. For å få oppgradert flyplassen må den oppgraderes fra såkalt C- til B-flyplass. Som komiteen skriver i sin flertallsmerknad, registrerer man at det ikke er gjort noen grep når det gjelder det. Da er spørsmålet til statsråden: Er statsråden enig i det. Da er spørsmålet til statsråden: Er statsråden enig i disse beregningene, og vil han gjøre tiltak for å oppgradere denne flyplassen fra C- til B-flyplass, slik at man kan ta ned fullbookede fly? Det er litt overraskende at Arbeiderpartiet, som styrte landet åtte år i strekk, tror at en statsråd skal gå inn og overstyre Avinors prioriteringer for hvor man skal oppgradere flyplasser. Jeg registrerte ikke at Arbeiderpartiet gjorde det i noen sak.

da var. Det var heller ikke på noe tidspunkt, da man diskuterte dette i fjor, en diskusjon om at man måtte oppgradere flyplassen. Det er et ønske som er kommet akkurat nå, i siste liten. Jeg registrerte likevel at da vi var oppe og snakket med lokale aktører om hva som var planene, ble vi møtt med stor glede – i motsetning til det bildet som Arbeiderpartiet nå dessverre prøver å tegne. At det var glede fordi flyplassen forble der, er jo ikke så merkelig, for vi vet jo alle hva alternativet var

brevet som er gått ut, at oppgraderes ikke denne flyplassen, så betyr det at de ikke får fylt opp flyene. Her må man ta både økonomiske og miljømessige hensyn. Som sagt legges det opp til at man skal ha en overgangsordning her, der man vil ha lokale eiere fra 1. januar 2019, så det betyr at hvis man ikke gjør den oppgraderingen før 1. januar 2019, sender man samtidig med en regning på kanskje 30–50 mill. kr for å oppgradere denne flyplassen. Så da jeg vil spørre: Vil ikke statsråden sørge for at det kommer i havn en avtale som også innbefatter flyplassen? Jeg tror alle som fulgte denne debatten i fjor og i år, vet at det som var ønsket og det som vi har sagt, er at flyplassen var viktig ikke primært på grunn av flyruter til Gardermoen, men fordi en nå – rett rundt hjørnet – kunne få på plass et chartereventyr der mange tusen turister kunne bli flydd inn hver sesong. Og det er jo bakgrunnen for at regjeringen fra starten sa at denne charterturismen, den skal vi finne en måte for å ivareta. Så det er faktisk ikke riktig det som representanten Juvik sier, at det som var utgangspunktet her, var at flyplassen skulle nedlegges, og at derfor var det jubel da det viste seg at den ikke ble nedlagt. Det er rett og slett uriktig historiefortelling. Men det var ikke på noe tidspunkt en diskusjon om at flyplassen skulle oppgraderes for å kunne ivareta den flyruta som allerede var der. Så igjen kommer det altså et forslag, eller et krav, fra Arbeiderpartiet, som Arbeiderpartiet selv aldri tok opp da de styrte landet, og ei heller har lagt inn i sitt eget alternative statsbudsjett, men som de likevel vil at det skal fram penger til. Jeg synes det er litt rart at det ikke er sammenheng mellom det Arbeiderpartiet krever og det de selv prioriterer. Nå er det jo slik at det er veldig klart hva Arbeiderpartiet ønsker og mener, men det er jo veldig uklart for dem som drive den private flyplassen i framtida, hva det er de overtar. Jeg har nå i to spørsmål forsøkt å spørre om man er enig i at det fortsatt skal være slik at de må kjøre med 40 tomme seter flyplassen på grunn av at en ikke kan ta imot disse store flyene. Og da kan en bare fortsette å skylde på Arbeiderpartiet, på hva vi har gjort – om det var kortbanenettet eller om det var en annen flyplass. Spørsmålet er jo relevant; det er relevant for dem som en skal få til en avtale med, om at det i framtida skal gå an å ta ned disse 145-seters flyene som er aktuelle i hvert fall i denne sesongen, og opptil 185-seters fly. Dette står det jo i brevet, og det brevet er også gått til ministeren. Der sier de at skal vi få så må vi utnytte den kapasiteten. Så fortsett gjerne å skylde på Arbeiderpartiet og lur på hva Arbeiderpartiet mente, men jeg lurer jo fortsatt på om statsråden vil forsøke å få på plass en ordning som gjør at det går an å ta ned fullbookede fly på denne flyplassen i framtida. Det første jeg påpeker, er at Arbeiderpartiet stiller krav til andre partier om noe de selv ikke ønsker å gjennomføre i sine budsjetter. Jeg påpeker bare at det er en usammenhengende argumentasjon og realisme fra Arbeiderpartiet. Det er det ene. Det andre er at en usammenhengende argumentasjon og realisme fra Arbeiderpartiet. Det er det ene. Det andre er at i hele denne prosessen har det altså vært charterfly på denne flyplassen, uten at disse kravene kom. Jeg synes det er litt rart at Arbeiderpartiet mener at vi skal bruke mellom 50 og 100 mill. kr på å oppgradere en flyplass som i dag ikke engang har sikkerhet for at 12 charterfly skal komme – at Arbeiderpartiet mener det er fornuftig å bruke penger på det. Vi legger til rette for at charterflytrafikken kan kan testes ut, i tråd med de ønskene som en hadde i fjor – lokalt kommunisert. Det gir vi nå full mulighet til. Avinor eier flyplassen. Så vil tiden vise om dette blir en suksess, og da vil det jo være økonomi i den flyplassen til å kunne oppgradere den. Hvis det viser seg at dette var det ønsket en hadde, men som ikke ble en realitet, så vil det være litt rart at Arbeiderpartiet allerede har forpliktet seg til å bruke så mange titalls millioner kroner på en flyplass som gjerne blir stående tom.

bl.a. fordi det var for kort tid mellom utlysning av kontrakt og driftsstart. Statsråden skriver i sin egen proposisjon: «m.a. fordi det var kort tid frå utlysing av kontrakt til driftsstart, noko som gav liten konkurranse og høg pris». Nå sier statsråden noe annet fra Stortingets talerstol. Er det slik at statsråden har behov for å korrigere sin egen proposisjon, eller har han lyst til å rette opp sitt innlegg fra talerstolen i sted?

Så er det en situasjon der ferjemarkedet har blitt preget av at de som tilbyr tjenester, også har blitt konsolidert, mens en altså har fått nærmest flere som har kjøpt ferje. Det gir altså selgers marked og ikke kjøpers marked, og det er en utfordring som vi griper fatt i. Så er det noen av de kontraktene der en nå stiller strengere krav til miljø, som gjør at vi trenger å bruke litt mer tid før vi utlyser det langsiktige anbudet, der det nye utstyret skal tas i bruk, og det har gjort at noen få kontrakter som har en varighet på ett eller to år, blir dyre. Det er også fordi prisene i markedet har gått opp. Men det er altså fordi en ønsker å innfri det som står i regjeringserklæringen, nemlig at vi skal legge større vekt på miljø. Det er ikke fordi de langsiktige kontraktene har fått dårligere tid i forkant. Vi skal fra det

Valdres har jublet til forslaget som regjeringen har lansert om at staten i realiteten skal avvikle driften av Fagernes lufthavn, Leirin. Spørsmålet mitt er rett og slett: Hvilke aktører i Valdres er det som jubler over regjeringens forslag?

Det er jo det vi har sagt, at vi har lagt ned den ruta fordi den gir ingen mening. Men vi bidrar til at lokalmiljøet får lov til å utvikle turistmulighetene med den charterflyplassen som er der. Og de miljøene sa selv at vi trenger et par år for å vise at dette går. Nå får de tre år nettopp til det, og da har vi innfridd de ønskene de hadde i utgangspunktet. Jeg vet ikke hvem regjeringen hadde bedt om å stille på pressekonferansen på Fagernes lufthavn, Leirin og applaudere regjeringens forslag, men jeg har lest lokalavisene i Valdres og Vest-Oppland etter den presentasjonen, og jeg tror egentlig ikke jeg har sett ett positivt presseoppslag med folk som synes ordningen er god. Stortinget har mottatt brev – og jeg formoder at også Samferdselsdepartementet har mottatt brev – 2. desember fra Valdres Natur- og Kulturpark, VNK, som altså er et samarbeidsorgan mellom alle valdreskommunene, mellom fylkeskommunen fylkeskommunen og reiselivsaktørene i Valdres og Hemsedal. Og i det brevet står det at VNK på det sterkeste vil anmode Stortinget om å utsette behandlingen av Prop. 19 S for 2015–2016, og de tar i sterke ordelag avstand fra det som regjeringen har foreslått. Så jeg stiller spørsmål én: Har statsråden lest brevet fra Valdres? Og spørsmål to: Hvem støtter regjeringens forslag?

Hvis en er et opposisjonsparti som mener at ting bør gjøres annerledes, så bør en faktisk også vise det i sine egne prioriteringer. Det er der jeg synes at iveren her etter å prøve å svartmale det som faktisk var lurt, er veldig stor. Viljen til selv å vise hvordan en ville prioritert annerledes, hvor en ville tatt penger fra for å levere penger til dette prosjektet, er veldig liten. Da er replikkordskiftet over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Her kommer en hilsen fra Valdres, fra en som snakker med og lytter til

I Oppland Arbeiderblad 3. desember, dagen før transportdebatten i denne sal, kunne vi lese at Olemic Thommessen fra Høyre lovet en «skreddersydd» ordning som skulle sikre reiselivets muligheter. Ketil Kjenseth fra Venstre lovet at man skulle starte en prosess «med sikte på optimal organisering, driftsform og videre eierskap». Det var løfterike dager i desember i fjor. I dag har vi svaret. Det er ikke en ny driftsform bare fordi staten selger seg ut og forutsetter at lokale aktører skal kjøpe seg inn. Det er ikke skreddersydd når det ikke er noen planer for nødvendige investeringer og departementet ikke engang kan svare på om man forutsetter at dispensasjonen fra Luftfartstilsynet fortsetter. fortsetter. Det er på ingen måte optimalt når Avinor har gitt tilbud om sluttpakke til alle ansatte på flyplassen. Og det er i hvert fall ikke optimalt for reiseliv som driver med sommercharter når flyplassen skal stenges 1. april. Det er ingen god prosess når regjeringen ikke har lyttet til innspillene som har kommet fra den lokale

at det vil vanskeliggjøre reelle omstillingsmuligheter og ventelig medføre at Fagernes lufthavn blir nedlagt i løpet av 2–3 år.» Det er ikke min påstand. Den kommer fra en samlet region. Arbeiderpartiet vil ikke være med på dette sjansespillet. Vi fremmer alternative forslag her i dag. Jeg tror det er mulig å finne alternative løsninger, men det forutsetter mer tid og en reell og god dialog med lokale myndigheter. Jeg synes det er svært skuffende at flertallet i denne sal i dag løper fra de lovnadene som ble gitt for bare ett år siden.

Fagernes lufthamn når kontrakten om statleg kjøp av flyruta Fagernes–Oslo går ut 31. mars 2016, og at formålet med desse samtalane har vore å finne ei driftsform som varetek chartertrafikken. Etter å ha høyrt innlegga frå Arbeidarpartiet i dag, er eg faktisk litt i tvil om Arbeidarpartiet er einig i det dei sjølve har sett signaturen sin under i komitémerknadane. For der står det at føremålet med samtalane med departementet er, og har vore, å finne ei driftsform som varetek chartertrafikken. Det er fremja eit utsetjingsforslag frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, og det blei hevda at ein ikkje er komen fram til noka ny driftsform for flyplassen. Er dette forslaget fremja til det beste for utviklinga av flyplassen? Er næringa, lokale eigarar og reiselivsutviklinga og framtida for flyplassen tente med ein sånn innfallsvinkel? Eg håpar intensjonen er til stades hos Arbeidarpartiet og Senterpartiet, men eg tvilar diverre på at dette utspelet frå Arbeidarpartiet er noko godt Det er ikkje snakk om ei nedlegging – det er ein ugrei retorikk frå Arbeidarpartiet. Eg kjenner ein regional flyplass ekstra godt – det er Stord lufthamn. Denne flyplassen er i mitt heimfylke, Hordaland. Dei har hatt mange kampar, og mørke, truande skyer om nedlegging. Men i dag framstår Stord lufthamn som ein flyplass med ei svært positiv trafikkutvikling og ein Og det er ikkje takka vere Avinor si driftsform. Men takka vere eit alternativt driftskonsept, stort engasjement frå næringsliv, innbyggjarar lokalt, og òg tverrpolitisk evne til å fremje flyplassen positivt, er dette jobba fram. Dystre spådomar og politisk taktikkeri høyrer ikkje saman med god næringsutvikling. Eg vel å lytte til dei frå Valdres, Hemsedal og Hallingdal – med satsingsvilje og engasjement – og vi i Høgre, og regjeringspartia, vi vil følgje godt opp. Vi ønskjer at Leirin skal lykkast som

Fra regjeringspartiene hørte vi i debatten i fjor at de to sakene har ingenting med hverandre å gjøre – rutetrafikken er én ting, driften av flyplassen er noe annet. Noen av oss advarte mot det og sa at det er en sammenheng mellom flyruta og driften av flyplassen. Nei, hørte vi i fjor, det er to forskjellige debatter. Så – med brask og bram gikk regjeringspartiene og støttepartiene ut i fjor og sa: Nå har vi funnet en ordning – en skreddersydd ordning. I likhet med representanten Håheim har jeg også gått tilbake og funnet Oppland Arbeiderblad fra 3. desember. Ingen ringere enn stortingspresident Olemic Thommessen – og han må vi stole på: Nå skulle det bli en skreddersydd støtte for Leirin. Vi hørte senere at kap. 1311 i statsbudsjettet, Tilskudd til regionale flyplasser, kunne være aktuelt for Fagernes lufthamn Leirin. Det er bare én hake ved det: For at en skal få støtte fra den posten, må det gå rutefly på flyplassen, og det vedtok det samme flertallet å legge ned. Så nå skriver statsråden i brev til komiteen at det ikke er aktuelt for Leirin å få tilskudd fra denne posten – kap.1311. Nei vel. viser også statsråden til i korrespondansen med komiteen. Det er det heller ikke aktuelt å bruke ut fra ESA-regelverk, sier statsråden, fordi det ikke er rutetrafikk på Leirin. Derfor kan ikke Avinor drifte flyplassen, og den kan heller ikke få tilskudd fra kap. 1311, Tilskudd til regionale flyplasser, fordi det ikke går flyrute der. Dette er et spill overfor Leirin, overfor Valdres og næringen i regionen, som jeg synes er helt uhørt. Jeg hørte representanten Eidsheim prate om Stord lufthamn – det er kjempebra, veldig bra, men der er det jo rutetrafikk. Utfordringen til Leirin er at det ikke er rutetrafikk, for den har Ketil Solvik-Olsen og Torill Eidsheim lagt ned – eller legger straks ned i hvert fall, om tre måneder.

til å subsidiere hver enkelt passasjer fra Leirin med i snitt 3 500 kr, og om det var riktig av oss som storting å bruke folks midler til to–tre passasjerer. Nei, og hvorfor ikke det? Fordi vi også ser at Avinor har store utfordringer i resten av landet med å bygge gode flyplasser som faktisk går med overskudd. Jeg nevner Oslo, jeg nevner Bergen, jeg nevner eventuell ny flyplass i Nordland, Polarsirkelen, jeg nevner flytting av rullebanen i Bodø osv. Listen er lang. Da er det kanskje ikke riktig med tanke på rutetrafikk, som ble tatt opp nå på slutten, å subsidiere hver plass når det ikke er markedsgrunnlag for det. Departementet har vært i dialog med Valdres og områdene der om å få til noe, bl.a. at i 2017 overtar de lokale bare en del av Avinors kostnader for å fortsette. I 2018 betaler fremdeles Avinor halvparten av kostnadene. Da bare en del av Avinors kostnader for å fortsette. I 2018 betaler fremdeles Avinor halvparten av kostnadene. Da snakker vi om vedtaket i fjor, pluss de tre årene det nå legges opp til her i planen. Vi har altså fire år til omstilling. Det høres ut som om det å få til drift på en flyplass er noe voldsomt vanskelige greier, eller – som representanten Wøien sa skulle betjene en og annen flyvning. Da mener vel ikke opposisjonen, eller mindretallet, at man skal ha en fullt fungerende flyplass 24/7, med de kostnadene som vil påløpe? Da snakker vi «security», vi snakker brann og redning, vi snakker togtjenester, vi snakker toll, vi snakker politi osv. For det er slik at det er noen faste kostnader som ligger der. Det å være fleksibel og få til en ny driftsform kun når det er chartertrafikk der, gjør det faktisk mulig å få dette til i framtiden, for det blir ikke så dyrt. Det mener jeg denne saken dreier seg om. Det vil både Fremskrittspartiet og Høyre, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, jobbe så godt vi bare kan for å få til. Da lykkes vi, men kun hvis vi klarer å få ned kostnadene på Leirin med det som nå legges fram.

evne til å ha næringsvirksomhet. Vi vet at i andre deler av Norden bygges det egne flyplasser for charterturisme. Da får en kapital på plass, en har tro på at man skal fylle flyene, og en setter i gang. Her er en altså livredd fordi vi sier vi skal legge ned en flyrute med tre passasjerer om bord, men vi skal opprettholde flyplassen for chartertrafikk. Så er det litt rart å høre at ingen lokalt angivelig er for det som skjer. Nå har jeg gått inn på Retriever på nettet, og jeg har søkt på den diskusjonen som har vært i mange aviser i regionen. Det jeg ser, er at det er veldig mange avisartikler som er kritiske til det som skjer nå. Samtlige er initiert av arbeiderpartipolitikere. Derimot leser jeg Hallingdølen på lederplass 26. november, der det står: «Sist veke kom nyheita om at Avinor skal drive Fagernes Lufthavn, Leirin i tre år til Meldinga var gledeleg, og den utløyste då også jubel i turistnæringa.» Er det ingen som leser sine lokalaviser før de kommer på Stortinget for å kritisere regjeringens politikk i sitt eget lokale områder. Dette minner meg veldig om den diskusjonen vi hadde om Hvis en går to år tilbake i tid og leser lokalavisen i samme region, er det de samme representantene fra Arbeiderpartiet som nå står og sprer død og fordervelse over Leirin, som spredde den samme død og fordervelse over Bagn–Bjørgo og sa at den kom til å lide en stille død under dagens regjering. Så vet en tvert imot at denne regjeringen og dagens flertall bevilger 40 mill. kr mer enn de rød-grønne hadde planlagt,

enn det som var planlagt, når hovedgreia med flyplassen på Fagernes var å ha et flytilbud med tre personer per avgang. Da må det være mye bedre at vi får utviklet flyplassen med tanke på chartertrafikk, slik regjeringen nå legger opp til, i stedet for at en skal bruke alle pengene på å ha en flyrute med tre personer, som ikke hadde noe med turisme å gjøre.

i den store sammenhengen. La det ikke være tvil: Jeg håper virkelig folk hjemme i Oppland, i Hallingdal og i Valdres får med seg denne debatten. Jeg tror partikollegaene i regjeringspartiene kanskje ikke er veldig stolte av den debatten som har vært her. Så la det ikke være tvil: Hadde Arbeiderpartiets forslag i fjor fått flertall, hadde vi ikke hatt denne debatten om Men i dag diskuterer vi altså oppfølgingen av den flertallsmerknaden og de lovnadene som ble gitt, både i denne sal og i media, om at Leirin skulle få et skreddersydd opplegg, og at man skulle gå i en prosess sammen med lokale myndigheter. Ja, det har vært ett møte. Det møtet fikk ikke den lokale styringsgruppen noen tilbakemelding på før man gikk ut med ensidig kommunikasjon i en pressekonferanse på Men i etterkant har vi fått et veldig tydelig brev fra Valdres Natur- og Kulturpark, som består av ordførere, reiseliv, fylkeskommunen og alle relevante aktører i denne saken, og de ber Stortinget om to ting: På kort sikt må chartertrafikken fortsette i regi av Avinor, som også bes drive flyplassen med reduserte åpningstider og minimumsbemanning fra 1. april 2016. Det er ikke imøtekommet av flertallet i denne sal i dag. De ber også om at departementet starter en prosess med lokale myndigheter for å få vurdert framtidsmulighetene og potensialet for Fagernes lufthamn. De eneste som imøtekommer disse ønskene, er Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sine forslag, som flertallet i dag dessverre ser ut til å stemme ned. Det er dette vi diskuterer i dag, om flertallet har løpt fra løftene sine fra i fjor eller ikke. Jeg skal ikke sette meg til doms over det, men jeg kan referere fra det nevnte brevet: Valdres Natur- og Kulturpark mener dette bryter med de klare intensjonene Stortinget hadde i Innst. 13 S for å sikre chartertrafikken med statlig bistand, og som heller ikke utelukket charterflygninger sommerstid. Jeg håper folket som er opptatt av dette, merker seg denne debatten. Jeg har ikke hørt noen gode argumenter for hva denne driftsformen som man mener man har funnet opp, er. Istedenfor karakteriserer man både opposisjonen og dem som er opptatt av en viktig flyplass for et reiseliv og for en region som virkelig trenger vekst og arbeidsplasser.

og Arbeiderpartiet mener at den beste løsningen for Leirin hadde vært å ha rutetrafikk og chartertrafikk. Og ja, chartertrafikken er den aller største trafikken på Leirin. Det er den beste løsningen. Der tapte vi i fjor fordi regjeringspartiene og støttepartiene vedtok at fra 1. april kommende år skal Det aksepterer vi, for det er et fattet vedtak. Da er den nest beste løsningen at vi bare har chartertrafikk på flyplassen. Det har vi støttet opp om. Det skrev vi i fjor, og det skriver vi i år – helhjertet å utvikle Leirin til en charterflyplass for reiselivet i Hallingdal og Valdres. Jeg håper virkelig at en lykkes med det.

Det er bra, men han måtte altså til nabodalføret for å finne en som var enig med ham i at dette er en god modell – sikkert en hyggelig dame eller mann, redaktøren i Hallingdølen. Men det holder ikke. Dette er for dårlig. Kommunene og næringslivet er imot. Jeg ser at representanten Grøvan sitter og lytter, og han er en fornuftig mann, og vi har ikke sagt noe annet og tatt en omkamp om flyruta, men det vi sier i forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag, er at Fagernes lufthamn Leirin skal «videreføres som statlig eid flyplass med driftsansvar tillagt Avinor» inntil nytt driftskonsept som har tilslutning fra lokale myndigheter, er etablert. Så klarer en å komme opp med en modell som har tilslutning lokalt, er vi for det. Det er nest beste løsning – det er vi for. Men der er vi ikke nå. Og det blir altså ingen god flyplass for regionen og for næringslivet når det er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og redaktøren i avisa Hallingdølen som er for en modell. Dette holder ikke. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 6, 7 og 8. Etter ønske fra energi- og

økt med 5,2 mrd. kr fra PUD-en var i Stortinget. Departementet viser til at hovedårsaken til denne økningen er forsinket prosjektering, økning i tallet på prosjekteringstimer, sein leveranse, økte kostnader på utstyrspakker og råvarer og forsinket framdrift i bygging av plattformdekk og skrog. Aasta Hansteen er igjen utsatt, nå fra tredje kvartal 2017 til andre halvdel av 2018. Komiteen merker seg – og igjen utsatt, nå fra tredje kvartal 2017 til andre halvdel av 2018. Komiteen merker seg – og med et alvor – at kostnadsoverskridelsene som er relatert til byggingen, er svært høye, relatert til kontraktssummen på plattform og understell. Komiteen viser også til at dette har vært varslet og vært påpekt av Oljedirektoratet tidligere i deres vurdering i Prop. 97 S for 2012‒2013, hvor Oljedirektoratet nettopp påpekte at utbyggingsløsningen inneholdt en rekke elementer som var nye og uprøvde, og at utbyggingen skulle skje i en periode med svært høyt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen, noe som kunne gi utfordringer med hensyn til kostnader. Fra komiteens side vil vi konstatere at utviklingen av dette prosjektet med kontrakt i Korea har vist seg å bli mye dyrere, som Oljedirektoratet har påpekt, og at valg av leverandør i dette tilfellet har påført prosjektet store ekstrakostnader og forsinkelser. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en egen tilleggsmerknad, som jeg forventer at representanter fra de partiene vil påpeke og si noen ord om. Det gjelder det

nå bemerket, og som komiteen har vært opptatt av ved behandlingen av denne nysalderingen om overskridelsene på Aasta Hansteen. 5,2 mrd. kr er en betydelig sum. Men det er også slik at det er andre prosjekter som har hatt større kostnadsoverskridelser i løpet av de siste Det som er viktig for Stortinget, er at det er mest mulig samsvar mellom de planene som blir presentert for Stortinget, og de kostnadsestimatene som blir presentert for Stortinget når Stortinget behandler plan for utbygging og drift, og det som er realiteten. For mange ganger i det siste har vi opplevd store avvik. Det påfører samfunnet kostnader, og det innebærer problemstillinger knyttet til aktivitet som ikke er Det påfører samfunnet kostnader, og det innebærer problemstillinger knyttet til aktivitet som ikke er ønskelig. Derfor har vi i behandlingen av denne saken vært tydelige på det. Vi mener at det er viktig at Stortinget gir et signal til regjeringen oppfølgingen av denne typen prosjekter for ettertiden om at det blir mer samsvar mellom det som blir forelagt av kostnadsanalyser for Stortinget, og det som faktisk inntreffer i virkeligheten. Jeg har lyst til bare å utfordre statsråden redegjøre overfor Stortinget hvordan han ser for seg at en kan bedre situasjonen i tiden framover, slik at det blir mer samsvar mellom det som blir forelagt Stortinget av kostnader og analyser, og det som faktisk skjer. For det er ganske relevant for Stortinget at det er samsvar mellom det. La meg begynne med å si at vi fra regjeringens side nok ikke ser det helt sånn som stortingskomiteen gjør det når det gjelder spørsmålet om hva Oljedirektoratet i sin tid mente og informerte både Olje- og energidepartementet og i sin tur Stortinget om i forbindelse med utbyggingsplanene. Da regjeringen Stoltenberg i sin tid anbefalte godkjenning av utbyggingsløsninger, var det etter anbefaling fra Oljedirektoratet, sånn at det

at en samlet stortingskomité er opptatt av at vi må ha kontroll på kostnadene på norsk sokkel. Det er det som på lang sikt vil gjøre ressursene på norsk sokkel lønnsomme. Mange av de store utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er svært kompliserte prosjekter, noe som i aller høyeste grad også gjelder Aasta Hansteen-prosjektet. Den måten man har valgt å bygge ut Aasta Hansteen-feltet på, som er en kommer til å bli verdens største Spar-innretning, og det kommer til å være den første gangen vi ser en Spar-innretning på plass på norsk sokkel. En annen ting som er bra med Aasta Hansteen-innretningen, er at den muliggjør lønnsom leting og utvinning av gass i havområdene utenfor Nordland, noe vi alle bør glede oss over. Når det gjelder utfordringen fra representanten Aasland, er det sånn at Oljedirektoratet i 2013 foretok en gjennomgang av større prosjekter på norsk sokkel som nylig hadde blitt gjennomført. Direktoratet peker i sin rapport på at de fleste prosjektene på norsk sokkel ender opp med utbyggingskostnader innenfor det usikkerhetsspennet som er angitt i utbyggingsplanen når den blir forelagt Stortinget. Økningen i investeringsanslaget for Aasta Hansteen-utbyggingen er på 5,2 mrd. kr siden PUD ble innlevert. ikke et ubetydelig beløp, men det utgjør altså ca. 16 pst. over PUD, og 2,4 mrd. kr av de 5,2 mrd. kr kan skyldes valutaendringer. Så hvis en hadde korrigert for valutaendringer, hadde det vært godt innenfor det usikkerhetsspennet som Stortinget er informert om på utbyggingstidspunktet. Direktoratet peker i rapporten på at det er noen forhold som er helt avgjørende for å lykkes med god prosjektgjennomføring på norsk sokkel. Det er momenter som et grundig tidligfasearbeid, en grundig prekvalifisering av kontraktører, både store og små, en klar kontraktstrategi og god prosjektoppfølging underveis. Så er både representanten Aasland og komiteen kjent med den etablerte rolle- og ansvarsdelingen på norsk sokkel. Myndighetenes ansvar er å sette forutsigbare og stabile rammer for industriens aktivitet, mens det er selskapene som har ansvaret for å ta kommersielle beslutninger. denne ansvarsfordelingen har både direktoratet og departementet i de senere år styrket oppfølgingen av utbyggingsprosjektene, noe vi også informerte Stortinget om i stortingsproposisjonen om Johan Sverdrup-utbyggingen denne våren. Hensikten er nettopp å redusere sannsynligheten for kostnadsoverskridelser og forsinkelser i Det er ingen tvil om at representanten Aasland har rett i det han sier, at direktoratet vil måtte stå sentralt i dette arbeidet, og de har også styrket oppfølgingen i tidlige faser av utbyggingsprosjektene. Både direktoratet og departementet følger opp utbyggingsprosjektene bl.a. gjennom dokumentasjonskrav, og utvidede krav til dokumentasjon er en helt sentral del av den styrkede oppfølgingen som nå er på plass. Med dette tenker jeg at jeg har sagt det som er å si om Aasta Hansteen. Jeg har lyst til å si noe annet, og det er at i en tid som er krevende for betydelige deler av oljeindustrien, med fallende oljepris, behandler også Stortinget i dag det faktum at inntektene fra SDØE er 9 mrd. kr høyere enn det som var forventet da budsjettet ble og det er fordi Norge fra 1. oktober i fjor til 1. oktober i år satte ny rekord i gasseksport til til dels meget gode priser. Der har altså Stortinget, på noe lengre sikt riktignok, blitt tilført 9 mrd. kr mer enn man så for seg da budsjettet ble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

Denne saken gjelder endringer i statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet. Endringene ble i proposisjonen foreslått hovedsakelig under programområde der det ble gjort fremlegg om å øke enkelte poster med til sammen om lag 1,7 mrd. kr og redusere enkelte andre poster med om lag 1 mrd. kr. Budsjettet for utviklingshjelp for 2015 ble også foreslått økt med litt over 600 «friske» millioner for å dekke deler av økte ODA-godkjente flyktningutgifter. at om man ser bort fra utgiftene til flyktninger i Norge, legger regjeringen opp til å bruke 30,1 mrd. kr i bistand i 2015. Det er fremmet et mindretallsforslag i saken fra Sosialistisk Venstreparti samt et Omstendighetene i siste halvdel av 2015 med raskt økende ankomster og derfor også svært høye utgifter til mottak av flyktninger i Norge er vel kjent. Asylankomstene har denne høsten vært høyere enn noensinne, og den raske oppbyggingen av mottaks- og hjelpeapparatet har hatt sin pris. Dette var da også bakgrunnen for de forslagene til omgrupperinger som regjeringen fremmet i denne saken. Komiteen viser i saken til at de utgiftene som omtales, kan rapporteres som offisiell utviklingshjelp i tråd med retningslinjene til OECDs utviklingskomité, og at dette har vært norsk praksis siden tidlig på 1990-tallet. Ingen ser det vel som ideelt å omdisponere i budsjetter såpass sent på året. Men ekstraordinære situasjoner kaller på ekstraordinære aksjoner. Norge skal fortsatt være et land hvor mennesker som er forfulgt, utsatt for krig eller som risikerer livet der de kommer fra, kan søke nødhavn og få beskyttelse, men Norge skal også være et land som gir humanitær hjelp i akutt nød der den er. Og det er ingen tvil om at noen av verdenssamfunnets mest vanskeligstilte områder i disse dager er Syria og nabolaget rundt landet. Den humanitære krisen blir mer og mer akutt nå når krigen er inne i sitt femte år. Norge er en av de aller største bidragsyterne til dette området. Vi har økt den humanitære bistanden til et rekordnivå, 1,25 mrd. kr går til Syria og naboland i år – snart 1.45 mrd. kr. Dette foreslås økt til 1,5 mrd. kr i 2016. Ja, statsministeren har også tatt initiativ til en giverlandskonferanse for Syria som skal holdes i London i februar. Men så var det her og nå. Det er vel relativt sjeldent at en komité slik som i denne saken i nysalderingen, og på denne måten, fremmer forslag til finansinnstillingen, som flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen gjør her. Vi har tatt høyde for at FNs humanitære appeller aldri har vært større. Komiteen viser til at Verdens matvareprogram, World Food Programme, i disse dager må redusere matrasjonene, og at FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, har store budsjettutfordringer. Det er et trist faktum at ved inngangen til desember hadde FN bare fått inn 49 pst. av de om lag 20 mrd. dollar de ba om i humanitær hjelp for inneværende år. Komiteens flertall, som jeg også her og nå takker for et godt samarbeid i saken, foreslår derfor at budsjettet under Utenriksdepartementets programområde 03 Internasjonal utviklingshjelp for 2015 salderes med en styrking til kap. 170, post 74, med 100 mill. kr til UNHCR og med 100 mill. kr ekstra til kap. 170, post 73, FNs matvareprogram. Begge summene skal øremerkes innsatsen i Syria og nærområdene. Jeg anbefaler flertallsinnstillingen.
Da er det

i den delen av Utenriksdepartementets budsjett som ikke gjelder utviklingsbistand, men forvaltningen av utenrikstjenesten for øvrig. Grunnet usikker framdrift for tiltak under EØS-midlene reduseres bevilgningene til det. Når det gjelder bistandsbudsjettet, er bildet annerledes. Der foreslås det en reduksjon på over én mrd. kr i bevilgningene til utviklingstiltak i utviklingsland for å dekke oppholdsutgifter i Norge for et økt antall asylsøkere i høst. Kristelig Folkeparti mener bestemt at vi burde dekket mer av den regningen ved å øke bistandsrammen mer enn det regjeringen gjorde. Kutt på over en milliard kroner i viktige budsjettkapitler, som til dels ble konkret forhøyet gjennom budsjettavtalen som ble inngått om 2015-budsjettet, er svært problematisk. Jeg velger ikke å gå nærmere inn på det i denne runden, men vil i stedet positivt framheve at det er et bredt flertall i komiteen som i denne situasjonen vedtar å heve bistandsrammen med 200 mill. kr for å redusere kuttet i norsk bistandsinnsats. I den situasjonen vi nå er har vi valgt å konsentrere påplussingen om to formål som er sterkt underfinansiert, og der pengene umiddelbart kan utbetales. Det er bevilgninger til FNs høykommissær for flyktninger og Verdens matvareprogram, som begge har et akutt behov for midler til å hjelpe nødlidende mennesker i kriseområder. Det er helt uholdbart når stadig flere barn i Syria utsettes for akutt underernæring og Verdens matvareprogram er så underfinansiert, at de må redusere matrasjonene. for bistand er stort både i Syria og i andre kriseområder. Jeg tillater meg her å nevne spesielt Nepal, som på grunn av flere jordskjelv og andre kompliserende årsaker står foran en vinter som kan bli katastrofal. Det er all grunn til å gjøre mer i og rundt Syria, men det er farlig å glemme andre kriser og behov som ikke på samme måte fortsatt er i medias søkelys. Derfor vil jeg be utenriksministeren se på hva Norge kan gjøre overfor Nepal – nå eller raskt på nyåret. De mange bevilgningskuttene som vi ikke får gjort noe med i denne runden, får dessverre uheldige konsekvenser på mange bistandsområder. I løpet av høsten har vi i Kristelig Folkeparti mottatt en rekke henvendelser og bekymringsmeldinger fra bistandsaktører som har opplevd å få beskjed om at prosjekter som ellers ville fått finansiering, nå plutselig får beskjed om at det dessverre ikke er tilgjengelige midler til å utbetale støtte. Dette viser at de omfattende nedskjæringene har sin pris. aktuelle bevilgningsreduksjonene har svært uheldige konsekvenser. Det må ikke gjenta seg. Og: Vi forventer at det i mange tilfeller vil være aktuelt å kunne utbetale støtte raskt på nyåret for å hindre stans i prioriterte, løpende utviklingsprosjekter.

Jeg slutter meg til alt det som representanten Ropstad sa. Vi er kommet i en veldig vanskelig situasjon med hele bistandsbudsjettet på grunn av den flyktningsituasjonen vi har kommet opp i. Jeg har forståelse for at regjeringa må ta grep for å ha kontroll på de kostnadene som vi møter, også for 2015, men jeg er veldig glad for at vi fikk på plass nettopp det bistandsløftet som vi fikk til i salderinga. Det har blitt sagt fra talerstolen at det er viktig å hjelpe folk der de er. Når vi samme dag som vi skulle avgi merknadene i saken, får beskjed om at det var ned på matrasjonene i flyktningleirene, og at det var et stort underskudd av midler til dem som hjelper de som har det aller verst, syns jeg det er riktig av oss å løfte matvareprogrammet og FNs høykommissær for å hjelpe akkurat dem det her er snakk om. Jeg ser at jeg er den sist inntegnede taler, så derfor vil jeg la noen spørsmål henge igjen. Det gjelder det samme som Ropstad nevnte, at det er mange som har opplevd at midler har blitt trukket tilbake. Vi har fått høre at en gruppe kvinnelige nobelprisvinnere som hadde fått tilsagn i juni, fikk beskjed i oktober-november om at finansieringa så å si var konfiskert. Jeg vet ikke om det er riktig, men det hadde vært veldig fint å få et svar på om det er riktig, og om det er mange andre organisasjoner og aktører som regjeringa tror er i den samme situasjonen, altså at de har fått tilsagn og begynt på finansiering av prosjekter, og så er pengene trukket tilbake i ettertid. Det hadde vært spennende å få vite hvem det er som har ansvar for å følge de utgiftene som påløper mellom juni og august. Så jeg håper at utenriksministeren – som jeg heldigvis ser har tegnet seg – kan svare på om de opplysningene vi har fått, er riktige, om det gjelder mange, og hvem som skal bære de påløpte kostnadene mellom juni og oktober når man kjører den typen prosjekter. Så håper jeg at vi ikke kommer opp i en situasjon igjen der vi må gjøre slike grep over bistandsbudsjettet. Stortingsflertallet har gjort mange grep for at vi skal slippe å komme i den situasjonen igjen, og dette er ikke en heldig måte å budsjettere bistandsbudsjettet på. Det tror jeg alle i denne salen er enige om. Jeg er glad for at vi fikk på plass den nødhjelpen som trengtes, da vi fikk et rop fra FN om å finansiere mer av maten til dem som er i flyktningleirene i de områdene. Sosialistisk Venstreparti mener det er rom for å øke enda noe mer på bistandsbudsjettet og på humanitær hjelp, og derfor tar jeg opp det forslaget som foreligger fra SV i innstillingen. Da har representanten Snorre Serigstad Valen tatt opp det forslaget han refererte

På utallige oppfordringer har jeg bedt om ordet – i hvert fall på to – så får jeg håpe at mitt innlegg ikke bidrar til at halve salen tegner seg på talerlisten, selv om vi nok skulle kommet gjennom det også ettersom det ikke er så mange i salen. Det er viktige spørsmål som blir tatt opp fra to representanter. Det ene er knyttet til situasjonen i Nepal. Nepal har vært igjennom et meget fattig land, og dette kom på toppen av de utfordringene Nepal allerede hadde. Det er positivt at man har fått på plass en ny grunnlov, en fredsprosess som er vesentlig, men den nye grunnloven har igjen ført til noen uoverensstemmelser med den store naboen, India. Når det gjelder Norges bidrag til Nepal, vil jeg bare forsikre representanten Ropstad om at der er vi svært langt fremme. Det er faktisk sånn at Norge er den andre største bilaterale giveren så langt i år til Nepal humanitært. Når man ser på hvilke naboer som er i nærheten, når man også vet hvor tungt amerikanerne har vært inne i Nepal, tror jeg at vi med å være den andre største bilaterale giveren til Nepal har gjort en veldig viktig jobb. Nepal er også et fokusland for bistand. Det er viktig ikke minst når det gjelder utdanningssatsingen at man lykkes. Det er fortsatt sånn at tusen skoler i Nepal må gjenoppbygges. Det er titusenvis av barn som ikke har en skole å gå til, så vi må se nærmere på hvordan vi kan innrette som er økt også med det budsjettet som er vedtatt av Stortinget. Utdanningssatsingen er på skinner. Når det gjelder den humanitære satsingen for neste år, har vi aldri hatt et så høyt humanitært budsjett. Det er et historisk høyt budsjett. Så har vi, som representanten Skei Grande var inne på, også mottatt titusenvis av flyktninger og asylsøkere til Norge inneværende år. Det har ført til en kraftig økning i kostnadene. Derfor har vi måttet omdisponere fra bistandsbudsjettet til håndtering av flyktninger og asylsøkere i Norge. Dette er en praksis som alle norske regjeringer har forholdt seg til. Selv med et atskillig lavere flyktning- og asylsøkertall av bistandsbudsjettet i 2010 til dette. Det er greit å minne om det også. Vi har greid, med den enigheten som har blitt mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti i Stortinget, å skjerme bistandsbudsjettet ganske kraftig sammenliknet med hva f.eks. regjeringen i Sverige gjør. Der har finansministeren nå gått ut og sagt at man kan komme i en situasjon hvor av bistandsbudsjettet blir brukt på flyktninger og asylsøkere i Sverige det første året. Vi ser en utvikling i denne retning også i Danmark, hvor man i tillegg har kuttet 2 mrd. kr i bistandsbudsjettet – mens vi har omdisponert i tråd med regelverket. Vi ser den samme trenden i Nederland, og vi ser det i Finland, som kutter i bistandsbudsjettet. Så jeg mener vi har kommet frem til et godt kompromiss, men jeg tror ikke i en situasjon hvor vi ser en migrasjonsbølge av historisk karakter, at vi i Norge kan skjerme oss helt fra det. Vi må også bruke av de ressursene som er tilgjengelige – og det er bistand å bruke det på flyktninger og asylsøkere som trenger hjelp i Norge også, men det må være en balanse. Jeg synes vi har funnet den balansen. Skei Grande var også opptatt av bl.a. tidligere fredsprisvinnere som har søkt om støtte gjennom Norad. Den saken ble jeg kjent med, og de har fått utbetalt denne støtten i inneværende år, i 2015. Vi må selvsagt ha en løpende gjennomgang av organisasjoner som driver den type fredsaktivitet. Det er viktig at den også kombineres med tiltak lokalt, at det er en oppfølging av det. Disse har nå fått støtten for inneværende år. Det var ikke mulig å ta replikk, så jeg vil bare takke statsråden for det han understreker, og jeg vil igjen også understreke mitt poeng, eller Kristelig Folkepartis bekymring når det gjelder Nepal. En ting er at vi har gitt mye i 2015, men vi vet at når kameraene forsvinner fra et land eller et område som er blitt rammet av en krise, som Nepal, forsvinner også midlene. Derfor vil jeg igjen understreke at en ting er 2015, men den krisen de ser ut til å gå inn i nå, er det viktig at utenriksministeren tar med seg. Det var i den forbindelse jeg også oppfordret til at man må se på mulighetene for å kunne bruke noe av midlene framover, posten overgangsbistand, som nå er tilbake, for å kunne videreføre bl.a. utdanningssatsinga, som statsråden understreker. Jeg er også enig i det utenriksministeren sier om at man må finne en balanse når det gjelder flyktningutgiftene. Det er i hvert fall en bedre balanse nå enn det som var da budsjettet kom til Stortinget tidligere i høst. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet.

Ingen har bedt om ordet. Det vil bli ringt til votering.
grad, ikke var

innstillinga me har

Ja, det er

er imot en avgift på

foretakene.

forslag. Det er forslagene nr. 1–5, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 6–10, fra Terje Breivik på vegne av Venstre forslagene nr. 11–17, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti For å redusere antall voteringer vil presidenten, etter å ha konferert med fraksjonslederne i finanskomiteen, foreslå en omforent voteringsorden. De ulike partienes primærstandpunkter går klart fram av merknadene i innstillingen, og det vises i tillegg til Innst. 2 S for 2015–2016 og 4 L Det vil i praksis bety at når vi har votert over alle mindretallsforslagene, vil ingen av partiene stemme imot innstillingens tilråding. Presidenten vil understreke den selvfølgelige forutsetning at når partiene aksepterer en slik voteringspraksis, skal dette ikke bli brukt mot et parti ved en senere anledning. – Ingen innvendinger er kommet mot dette, og det vil bli gått fram på en slik måte. Det voteres over forslagene nr. 11, 13 og 14,

Dette gjelder Innst. 4 L for 2015–2016, innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016 – lovgivningssaker. Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er forslag nr. 1, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 2–4, fra Terje Breivik på vegne av Venstre forslag nr. 5, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av Det vil i denne saken bli votert på samme måte som i foregående sak. De ulike partienes primærstandpunkter går klart fram av merknadene i innstillingen, og det vises i tillegg til Innst. 2 S for 2015–2016 og Innst. 3 S for 2015–2016. Når vi har votert over alle mindretallsforslagene, vil ingen av partiene stemme mot innstillingens tilråding. Presidenten understreker også her som den selvfølgelige forutsetning at når partiene aksepterer en slik voteringspraksis, skal dette ikke bli brukt mot et parti ved en senere anledning.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.